bildet ikke er så svart-hvitt som det nevnes. Da kan det jo nevnes at noen av oss er opptatt av den tredje vei og sentrum som et alternativ, og at det nettopp der finnes mange av de gode løsningene. I en sånn debatt som vi har i dag – trontaledebatten – er det jo visjonene som løftes. Jeg må jo si at mye av det som har kommet fram fra begge sider, har vært bra. Visjonene for Norge, og ikke minst temaet «arbeid for alle» har vært gjennomgangstemaet fra de fleste av regjeringspartienes medlemmer. Og all ære for det, for her trengs det et løft. Her er kanskje også min hovedinnvending mot at den er så sosial, all den politikken som føres. Et stikkord er at «fattigdom» ikke ble nevnt i trontalen. Fattigdom er en av våre største utfordringer i et samfunn som går så bra. Det er over 70 000 fattige barn, og det blir enda flere. Det at du vokser opp i et land som det går så godt med, og at du som barn må oppleve å være fattig, er noe av det tøffeste du kan bli utsatt for. En av de viktigste veiene ut av fattigdom er arbeid. I dag er vi heldige et næringsliv som fungerer godt, med et arbeidsmarked som fungerer godt, og med Europas laveste arbeidsledighet. Det er 65 000 arbeidsledige i Norge. Samtidig er det 220 000 mennesker som er i kategorien «nedsatt arbeidsevne», som går på arbeidsavklaringspenger. Og det er en gruppe som jeg mener at Stortinget og regjeringen må være mye mer opptatt av, for i denne gruppen er det en stor andel mennesker som kommer til å havne på trygd fordi velferdssamfunnet ikke fungerer godt nok. Nav må fungere. I dag har vi kun arbeidsmarkedstiltak, plasser som kan hjelpe disse menneskene ut i til ca. 50 000–60 000 av 220 000. Definisjonen av «nedsatt arbeidsevne» – eller at du får en arbeidsavklaring, en arbeidsevnevurdering av Nav – er jo nettopp at du trenger hjelp for å komme tilbake i arbeid, og vi gir dem ikke den hjelpen. I sommer var ledelsen i Nav selv ute og advarte mot at hvis det ikke kommer en økning i 2012-budsjettet, vil enda flere mennesker havne på trygd. Når vi diskuterer om samfunnet går i en sosial eller usosial retning, må vi se på hvordan det går i dag. Jeg mener at det som blir fremstilt som veldig sosialt, ikke er det, for vi hjelper ikke de menneskene som kan komme tilbake i arbeid, nettopp fordi vi ikke gir dem de tiltaksplassene som trengs. Det er mykje som har hendt dette siste året, som har synleggjort kor grunnleggjande viktig det er at politietaten fungerer godt. Det er på den eine sida alt frå dei mest ekstreme terrorhandlingane, valdtektsbølgjer, grov vald og ufattelege overgrep mot barn og kvinnfolk til på den andre sida mobil vinningskriminalitet som gjer folk utrygge der dei skulle vere tryggast, nemleg i sin eigen heim. Og vi har økonomisk kriminalitet som svekkjer grunnlaget for velferdsstaten. Det er eit stort spenn i det arbeidet som politiet må gjere. Og dei skal gjere ein god jobb i heile landet. Politiet kan ikkje vere overalt til kvar tid, men er dei godt bemanna og godt organiserte i alle ledd, kan dei vere fleire plassar oftare. Målet må vere at politiet skal kunne førebyggje, oppdage og avdekkje kriminalitet for å Mange månader før terrorhandlingane i juli i år varsla regjeringa at det kjem ei stortingsmelding om ei resultatreform i politiet i vårsesjonen i 2012. Vi må finne måtar å få best mogleg resultat på for dei ressursane som til kvar tid er tilgjengelege i politietaten. Dette er eit arbeid og ein debatt vi i Senterpartiet vil delta aktivt i. Ein god beredskap i sentrale strøk må ikkje setjast opp mot behovet i distrikta, etter mi meining, fordi alt heng saman med alt. Vi må sjå på kva som kan og bør endrast, og kva som fungerer godt allereie. Vi veit at det er eit skrikande behov for at politiet får investere i IKT, og det skal vi følgje opp. Når det gjeld strukturen, vil eg åtvare mot å tru at det å leggje ned mange lensmannskontor vil gjere politietaten betre rusta for framtida. Samtidig skal vi ikkje oppretthalde kontor for kvar pris. Tilbodet til innbyggjarane er det viktige, og enkelte stader kan ein få meir att om ein endrar strukturen. Gode lokale prosessar er det som må leggjast til grunn for eventuelle endringar, ikkje blind tru på sentralisering, som dessverre i mange tilfelle i ulike etatar viser seg å vere kostbart og gjer kvaliteten på tenestene I tida etter terroråtaka i juli i år har debatten gått om behovet for meir overvaking og kontroll. Det er ikkje rart om mange roper på strenge tiltak, men det er opplyftande at så mange nordmenn faktisk seier at dei ikkje ønskjer dette. Eit fritt samfunn er neppe fritt om menneska som bur der, ikkje er frie. Utan personvern er vi ikkje det. Det er vanskelege avvegingar som må gjerast i kampen mot terror og mot grov kriminalitet, men eg trur i det store og heile at det norske samfunnet har vore – og er – på eit rett spor. Når det er sagt: Ettertankens time har kome etter at så mange mista livet i regjeringskvartalet og på Utøya. Fungerte alt godt nok? Kunne meir ha vore gjort, i så fall kva? Dette skal gjennom ein grundig gjennomgang, og debatten er allereie i full gang. Vi skal ta lærdom av det som gjekk bra, og det som gjekk galt, og gjere nødvendige endringar snarast råd. Men midt oppe i dette må vi ikkje gløyme at eit hatefullt menneske med ønske og vilje om å ta mange liv, kan få til dette omtrent uansett kva slags tiltak vi måtte gjennomføre. Det seier seg sjølv, men det er verdt å seie det, lell. Stortinget skal arbeide med den nemnde resultatreforma i 2012. Det blir eit arbeid som vi alle må ta på alvor. Frivillig innsats er også verdiskaping. Det handler først og fremst om nære, menneskelige verdier. Statistisk sentralbyrå har regnet ut hva verdiskapingen som de ideelle og frivillige organisasjonene står for, betyr i kroner og

Men politikere kan gi gode rammer, slik at frivillig arbeid blir mulig. Frivillig initiativ og ideelle organisasjoner må ha gode støtteordninger og trygge rammevilkår. Vårt velferdssamfunn er bygd på tradisjoner for dugnad og deltakelse. Mye av den velferden som i dag blir finansiert i fellesskap, som rusomsorg og hjelp til de fattige, ble før drevet utelukkende av frivillige ildsjeler. I dag er frivillig sektor og private ideelle tilbud et viktig supplement til det offentlige velferdstilbudet. Derfor har vår regjering utvidet ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Vi skal trappe opp bevilgningene med 1 mrd. kr innen 2014. Vi prioriterer dessuten ideelle organisasjoner når oppdrag innen barnevernstjenesten blir utlyst. Det samme gjør vi og vi vil arbeide for å sikre dem mer forutsigbare rammevilkår generelt. De private ideelle tilbudene er viktige. De befinner seg mellom det velferdsstaten leverer av velferd, og det markedet kan levere av varer og tjenester. I mellomrommet mellom det offentlige og det markedsstyrte finnes det mye kreativitet og gode Det er spirer, ideer og fornyelser som samfunnet vårt vil ha enda mer behov for i en tid da velferdssamfunnet er under press på grunn av demografiske endringer, samtidig som teknologiske framskritt gir skyhøye forventninger til hva som skal leveres. Det er to store trusler mot frivilligheten og de private ideelle aktørene. Hvis ansvaret blir for stort, kan belastningen på den enkelte også bli for stor. Da gir man opp. Den andre trusselen er å bli utkonkurrert av markedsmekanismer som gir fordeler til kommersielle og profittdrevne aktører. Det vil vi forhindre. Derfor vil vi ikke blindt slippe til profittdrevne aktører som velferdstilbydere. Derfor vil vi prioritere de private ideelle aktørene. De er drevet av engasjement, ikke av ønsket om profitt. De konkurrerer om kvalitet, ikke om pris. De bringer nytenkning,

hvor det ofte skjer ulykker, deriblant livsfarlige frontkollisjoner. På toppen av det hele må skolebarn krysse den trafikkerte E18 for å komme til skolen. Det er tragisk når man vet at det er fullt mulig å bygge veier med null møteulykker, f.eks. med underganger for myke trafikanter. I Sverige hadde de for lengst bygd ordentlig vei på en slik strekning som Tvedestrand–Arendal, men i oljelandet Norge prioriteres ikke trafikksikkerhet for store og små Nå skrøt riktignok statsministeren tidligere i dag av at det var mye å skryte av i det kommende budsjettet, så det er jo lov til å håpe på en bedring. Jeg er selvfølgelig glad for at iallfall planlegging av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal har kommet i gang, men jeg frykter at det vil ta veldig mange år før veien er på plass. Det er uholdbart hvis man må vente helt til 2019 før vi får en trygg vei, for her burde man

Regjeringen har varslet omlegging av bilavgiftene i statsbudsjettet for 2012, men jeg har dessverre liten tro på at tryggere biler blir billigere enn før. Torp flyplass utenfor Sandefjord har vært en kjempesuksess, og mange i mitt eget fylke velger å fly derfra istedenfor fra Kjevik. En av grunnene til at Sandefjord Lufthavn Torp har lyktes, er at flyplassen ikke er eid av staten, og at de har funnet sin egen lavprisnisje. Jeg tror det er et marked for flere slike flyplasser i Norge.

Vi ber ikke om statlige penger til Arendal Lufthavn Gullknapp, men håper at regjeringen etter hvert kan bidra med riksveitilknytning. Arbeidarpartiet vil forsvare ei trygg og god økonomistyring av landet, og me risikerer ikkje arbeidsplassane for populistisk budsjettering eller lovnader om 100 mrd. kr i skattekutt. For det er ikkje rett som representanten Siv Jensen sa før i dag, at me er einige om ein ansvarleg økonomisk politikk. Arbeidarpartiet veit at om me ikkje utøver politikken vår på ein ansvarleg måte, vil det gå ut over dei som har minst i samfunnet. Det er ikkje arbeidarpartipolitikk.

Eit samfunn som er godt for ungar å vekse opp i, er godt å leve i for alle. Arbeidarpartiet har i regjering bidrege til ei styrking av barnevernet, men me er ikkje i mål. Me meiner at barnevernet i all hovudsak er ei offentleg oppgåve, der ideelle organisasjonar skal spele ei større rolle framover. Me har mykje å vere stolte av, men me har òg utfordringar som me må ta på vegner av ungane. ungane. Eg vil vere ein av dei som er folkevald også for dei som ikkje har stemmerett – dei minste. Me må tenkje stort om dei små. Det har utvilsamt kome fram i dagens debatt at arbeid til alle er Arbeidarpartiets hovudsak. Det er òg viktig familiepolitikk. For arbeid handlar ikkje berre om enkeltindivid eller om skatteinntekter, det handlar for svært mange om ein trygg og god familieøkonomi og eit godt familieliv. Å ha eit arbeid gjev folk moglegheit til å kjøpe seg ein bustad. Det gjev foreldre rett til foreldrepermisjon. Det gjev dei moglegheit til å kombinere arbeid og omsorg. Ein viktig føresetnad for at begge foreldre, eller einslege foreldre, kan vere i arbeid, er i dag barnehageplassar og gode satsa sterkt på. Fedrekvoten og ein meir likestilt foreldrepermisjon er viktig for familiane og for kvinner i arbeidslivet, og er noko eg er veldig stolt av. Eg har snakka mykje om Arbeidarpartiet sin politikk i dette innlegget. Det synest eg veldig mange arbeidarpartirepresentantar har gjort i dag, trass i at representantane frå Høgre synest å vere indignerte over at me ikkje har gjort det. Likevel merka eg meg at representanten Hofstad Helleland nok nemnde Arbeidarpartiet oftare i sitt innlegg enn det eg gjorde.

God beredskap skaper trygghet. Så blir spørsmålet om vi vil planlegge for å gjennomføre tiltak som gir oss hundre prosent vern mot enhver tenkelig og utenkelig katastrofe eller terrorhandling. Det vil i så tilfelle gi oss et overvåkingssamfunn som vil medføre store begrensninger i forhold til enkeltindividets frihet og rettigheter. Med erfaringer fra andre land kunne kanskje anslaget mot regjeringskvartalet vært et scenario i en risikovurdering, men raidet mot AUF-erne på Utøya var det ingen vettug mann som kunne forutse. Det var en terrorhandling uten sidestykke. Én lærdom må vi ta med oss i framtidig beredskapsplanlegging: Det er at terroristenes ondskap er endeløs. Dette er utfordringer norske kommuner, nasjonale myndigheter og næringsliv vil møte i sitt framtidige beredskapsarbeid. Med andre ord: Heretter må det tenkes og planlegges for det utenkelige hvis vi skal ha muligheter til å forhindre den type terrorangrep. Vi er gode på beredskap i Norge, men vi kan bli bedre. Et viktig element i vårt redningsarbeid er de frivilliges innsats, ofte i samarbeid med kommunale og statlige innsatsgrupper. Slik var det også den 22. juli og i dagene som fulgte. Den norske frivilligheten er et lim i ethvert lokalsamfunn. Frivillig deltakelse gir økt beredskap både for samfunnet og den enkelte borger. Å ta vare på frivilligheten er å gjøre samfunnet tryggere og fellesskapet bredere. Frivillige organisasjoner spiller gjennom sitt engasjement en viktig rolle i vår norske velferdsmodell. Fra politisk side har vi et ansvar for å legge til rette for at frivillige aktører kan spille sine roller som likeverdige redningsressurser når alvorlige hendelser rammer landet.

når vi har behov for dem. De er en viktig del av sikkerhetsnettet, de er vår trygghet og statens viktigste innsatsstyrke når kriser oppstår. I trontalen vart det sagt at regjeringa skal syte for god velferd. Eg stiller spørsmålet: Skal det vere god velferd over heile landet, eller er I trontalen vart det sagt at regjeringa skal syte for god velferd. Eg stiller spørsmålet: Skal det vere god velferd over heile landet, eller er det berre dei folkerikaste delane av landet som skal ha gode velferds- og helsetilbod? I dei seks åra vi no har hatt eit raud-grønt styre i dette landet, har dei reist land og strand rundt og fortalt at ingen lokalsjukehusfunksjonar skal leggjast ned. Dette gjeld både raud-grøne stortingspolitikarar og regjeringsmedlemmer, heilt opp til statsministeren. Kva ser vi så skjer rundt i landet? Jau, helseføretaka, både dei regionale og dei lokale, held fram med å ta bort funksjonar frå velfungerande lokalsjukehus, utan at helsestatsråden grip inn og stoppar nedbygginga og nedbemanninga ved mange lokalsjukehus.

Eg vil i denne samanhengen vise til stortingsrepresentantane Lundteigen og Toppe sine utsegner til lokalaviser i Nordfjord og på fleire valmøte i same distrikt. No registrerer vi at dei nemnde lovnader ikkje har nokon verdi, fordi helseføretaket driv på same måten som det har gjort tidlegare, og tek bort viktige funksjonar og driv personforfølging av tilsette, tilsette som også slåst for at lokalsjukehuset skal bestå i den forma som vart bestemt i Nasjonal helseplan. Eg viser til Framstegspartiet sitt forslag om å stoppe den nedbygginga av lokalsjukehusa som vi er vitne til, og eg forventar at dei stortingspolitikarane som reiste land og strand rundt og gav sterke lovnader om å oppretthalde fullverdige lokalsjukehus, støttar vårt forslag, slik at vi kan

Jeg er opptatt av rusmiddelpolitikk og er bekymret over utviklingen og konsekvensene av økt alkoholkonsum og bruk av narkotiske stoffer. Jeg er derfor glad for at regjeringen vil legge fram en egen stortingsmelding om nettopp rusmiddelpolitikken. For det er ikke til å stikke under stol at både det forebyggende arbeidet og behandlings- og rehabiliteringstilbudet kan bli bedre. Jeg er spesielt opptatt av tiltakskjeden fra motivasjon til avrusning og videre til behandling og rehabilitering. I dag opplever flere at denne behandlingskjeden er for stykkevis og delt. Og det er hjerteskjærende å høre om mennesker som enten sprekker og begynner å ruse seg igjen, eller i verste fall dør av overdoser fordi de må vente for lenge til de får det neste tilbudet i tiltakskjeden. Selv om regjeringen har fått gjennomført en god del tiltak innen rusomsorgen, er det etter manges mening ikke nok. Både rusmisbrukere og pårørende, helsepersonell og organisasjoner forteller om triste og vonde menneskeskjebner på grunn av rusmisbruk og et behandlingstilbud som ikke strekker til. Dette må vi gjøre noe med. Stoltenberg-utvalget la i 2010 fram sin rapport om narkotika. Utvalget peker på mange viktige områder som må forbedres og fornyes, som vil bli gjenstand for stor Jeg ser fram til at meldingen kommer til Stortinget til behandling, og jeg både håper, tror og forventer at dette viktige politiske arbeidet vil medføre en mer bevisst rusmiddelpolitikk og et bedre behandlingstilbud til rusmisbrukerne. Vår måte å skape og dele og leve på har skapt det samfunnet vi har i dag, med høy sysselsetting, gode velferdsordninger og god Vår måte å skape og dele og leve på har skapt det samfunnet vi har i dag, med høy sysselsetting, gode velferdsordninger og god omfordeling. Jeg tror dette er en av grunnene til at vi kom igjennom katastrofen den 22. juli og dagene etterpå på en god måte. Men det er ikke naturgitt at det skal fortsette sånn. Det er et resultat av samfunnsbyggingen, av politiske valg. Det er dramatiske tider i europeisk økonomi. Finanskrisen og håndteringen av den førte til at mange av de europeiske landene som fra før hadde store budsjettunderskudd, har fått enda større underskudd og ytterligere problemer. Mange land er blitt svært sårbare. Mange land vil ha lite å stille opp med om verdensøkonomien får enda større problemer. Da kan vi stå overfor nye kriser og nye opptøyer. – Alt sammen på grunn av politiske valg. I Norge er det lett å tenke at dette ikke kan skje hos oss, at vi ikke vil bli berørt. Det er ikke sant. Den norske økonomien er sterk, men samtidig åpen og sårbar for konjunktursvingninger. Et styringsdyktig EU og et velfungerende indre marked betyr dermed også mye for norske arbeidsplasser og vår velferd. Vi er avhengig av at Europa lykkes, fordi landene i Europa er våre viktigste handelspartnere. Norske myndigheter kan nemlig ikke skjerme industri og næringsliv mot det som skjer internasjonalt. Derfor angår også Europas svar på finanskrisens utfordringer oss direkte. Derfor må man også finne langsiktige løsninger som sikrer oss en bærekraftig økonomi internasjonalt. Høy deltakelse i arbeidslivet og lavt sykefravær gir oss inntekter til å gjøre skolen enda bedre og å lage et Det finnes ingen andre virkemidler i politikken som er sterkere enn dette: å holde folk i jobb. Da får vi skatteinntekter, og da holder vi trygdeutgiftene nede. Slik får vi råd til å gjennomføre de tingene vi er opptatt av, fra satsing på skole og eldre til rusomsorg og barnevern, veier og kultur. Når vi lykkes med det viktigste, lykkes vi også med resten. Når vi får folk i jobb, lykkes vi med andre mål som likestilling, integrering og sosial utjevning. Når vi får seniorene til å ønske å stå lenger i jobb, får vi et pensjonssystem som er bærekraftig. Og når det skapes verdier, får vi inntekter til fellesskapet gjennom skatt. Alt dette skjer fordi vi setter inn all vår kraft og styrke på å holde folk i jobb. Alt er politiske valg som gir konsekvenser. Lav arbeidsledighet er viktig for økonomien, men det er også viktig for den enkelte. Vårt mål er at så mange som mulig skal oppleve å våkne opp om morgenen og glede seg til å gå på jobb, til å tjene sine egne penger, til å være en del av et sosialt fellesskap og bidra til verdiskapingen i landet vårt. Å fortsette byggverket gjennom styrking av fellesskapet i den norske modellen har vist seg å være en god forebygging mot utrygghet og uro. Det er et bevisst politisk valg. Næringspolitikken blir ikke fremtidsrettet dersom en ikke skaper kompetente arbeidsplasser. Skal vi møte utfordringene fremover, er

Den maritime klyngen er et godt eksempel på hvor viktig det er å se sammenhengen mellom generelle rammebetingelser, kompetanseutvikling og godt samarbeid mellom leverandører og kunder. Denne klyngen er bare ett eksempel på hvor viktig det er med kvalifisert arbeidskraft. Når jeg har reist rundt i valgkampen og snakket med bedriftsledere og ansatte i bedrifter, er behovet for kompetanse og kvalifisert arbeidskraft noe som trekkes fram av de aller fleste. Dette er en av de virkelig store utfordringene. Norge mangler kvalifisert arbeidskraft. Det gjelder enten bedriftene er store eller små. I Norge har ni av ti bedrifter færre enn 20 ansatte, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er det største hinderet for videre vekst

Det er bare redusert skatt og redusert skjemavelde som rager høyere på bedriftenes prioriteringsliste. Skal næringslivets behov for kompetanse dekkes, er en avhengig av et utdanningssystem som møter arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft. Jeg kan bruke fagskolene som eksempel på et viktig bindeledd mellom arbeidslivets behov for kompetanse og samfunnets svar på dette behovet. Derfor er fagskolene så viktige. viktige. Fagskolene er ulike, og det kreves ulike finansieringsmodeller. Enkelte fagskoler krever dyrere utstyr enn andre. Eksempel på det er innenfor den maritime opplæringen. Her kreves både mer og dyrere utstyr for å gi god opplæring innenfor maskinteknikk, nautikk og skipsteknisk drift enn hva som er tilfellet i andre yrkesfaglige retninger. Vi må i mye sterkere grad satse på og videreutvikle fagskolene, som er et viktig tilbud for ungdom som velger praktiske fag. Dette er en vinn-vinn-sak. Ungdommene får utdanning i det som de interesserer seg for, og arbeidslivet får en kompetanse som arbeidslivet trenger. trenger. I altfor lang tid ble det brukt altfor lite penger til samferdsel. I 2005 ble trenden snudd. Ingen regjering har satset mer på samferdsel enn den rød-grønne, og Norge bevilger nå mer penger til vei enn alle andre land i Norden. Gode transportmuligheter er viktig for å ta hele Norge i bruk. Å ruste opp infrastrukturen gjør hverdagen enklere for folk, det bedrer miljøet, samfunnet blir mer inkluderende, og det styrker næringslivets konkurransekraft. Det er stor byggeaktivitet på norske veier for tiden. I siste stortingssesjon ble det gitt grønt lys for å starte 15 store riksveiprosjekter. I tillegg er det mange store veiprosjekter på gang. Mellom 2006 og 2010 ble 46 store veiprosjekter åpnet, og veksten i etterslepet på vedlikehold er stanset etter kraftig økning i vedlikeholdsbudsjettet. På tross av et beskjedent folketall har Norge en utpreget spredt bosetning. Fjell, fjorder og daler stiller store krav til investeringer og vedlikehold i samferdselssektoren. Til sammenligning har Sverige en dobbelt så stor befolkning, som til gjengjeld er langt mer konsentrert til de deler av landet der naturen gir rom for relativt lave utbyggingskostnader. Derfor blir det feil å sammenligne norsk og svensk veistandard. Vår målestokk er Norge, og vår regjering har ambisjoner om å videreføre en ambisiøs distriktspolitikk, Når det gjelder jernbane, skjer det også mye. To ferske eksempler er vedlikeholdet på Oslo S og åpningen av det nye dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika. Det satses på trafikksikkerhet, noe som har gitt resultater. Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken går nedover. Vi må helt tilbake til 1954 for å finne tilsvarende lave tall, til tross for en mangedobling i trafikken. Innen sjøtransport er det nå inngått en ny avtale med Hurtigruten, og innen luftfart bygger Vi har fokus på miljø og klima, og kollektivtransporten er et satsingsområde. Dette er bare noen få smakebiter innen samferdsel, så de som påstår at det ikke satses på samferdsel i dette landet, kan umulig følge med i timen, jf. Fremskrittspartiet. Men vi har noen utfordringer i forhold til kostnadsutviklingen og planleggingsverktøyet spesielt på vei. Dette må vi ha sterkt søkelys på. Vi må ha kortere planleggingstid, holdbare Vi har bak oss en periode der funksjonskontraktene noen steder økte med over 100 pst., og ga dårligere vedlikehold. Så det må være lov å spørre om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold er den beste måten å organisere dette arbeidet på, og om det gir oss bedre kostnadskontroll. La meg si til Sortevik, som sier at bygging av vei er en Dette er feil, og nok et godt eksempel på hvorfor vi skal være glad for at Fremskrittspartiet ikke styrer Norge. Så til Hoksrud, som er litt oppgitt over at Norge er «annerledeslandet». Når vi ser på hva som skjer i store deler av resten av verden, skal vi nok være glad for at vi er akkurat det. Fortreffelighetens smil ligger tykt over enkelte rød-grønne representanter, og det er troen på egen fortreffelighet. Mye er godt i Norge, og

grunnlaget for de dårligere vi vet kommer. Det er i tillegg paradoksalt når fremtredende rød-grønne representanter nærmest hoverer over at Den europeiske union og valutaunionen går dårlig. Det er god grunn til å minne om at over 80 pst. av norsk eksport går nettopp til EU. Når EU nå opplever økonomiske vanskeligheter, vil vi også oppleve økonomiske vanskeligheter. Vi vil få svakere vekst på grunn av dårligere europeisk vekst. Vi vil oppleve lavere etterspørsel enn vi ellers hadde hatt, fordi veksten i Europa er dårligere, og dermed også etterspørselen etter våre varer. Men det er i etterkant av krisen vi virkelig kan måle regjeringens politikk. Når vi ser at norsk konkurranseevne har falt hvert eneste år siden 2005,

fordi vi opplever en norsk kronekurs som igjen begynner å bli uhåndterlig, og fordi det norske skattenivået er høyere enn i svært mange andre land vi sammenligner oss med. Vi har mulighet til gjennom den politikken vi nå er med på å legge til grunn, å gjøre noe fundamentalt med norsk konkurranseevne og konkurransekraft. Men da er det først og fremst bruken av kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon som vil legge grunnlaget for om vi kommer til å være en konkurransedyktig nasjon også i tiden fremover. Det handler om at vi må ha de beste hodene, og dermed også de beste løsningene på morgendagens problemer. Men vi må samtidig se i øynene at uten en infrastruktur som gjør at vi raskt og effektivt klarer å få varer til markedet, ja så stiller norske bedrifter med den samme konkurranseulempen som de har i dag. Det gjelder også å bruke de mulighetene skattesystemet gir oss, til å bidra med vekstfremmende skattelettelser. Og det er der statsministeren tar fundamentalt feil når han sier at skattelettelser er uansvarlig. Nei, vi trenger trygghet gjennom kunnskap og gjennom økt konkurransekraft.

I en rekke land står ikke trassighet og egennyttig solidaritet så sterkt som samfunnets verdi og som rettesnor for praktisk politikk som det gjør i Norge. I disse landene er de fundamentale elementer som skal til for at alle har rimelig god mulighet i livet og en solid plattform for å utøve sin frihet, nemlig barnehager, skole, sykehus, eldreomsorg og et sikkerhetsnett når man mister arbeidet eller blir syk, privilegier som er forbeholdt de få. Den trassige solidariteten som materialiserte seg 22. juli, er gode egenskaper når vi står overfor en ny finansiell uro. Vi ser at mange land er i et stort uføre. De har høy arbeidsledighet, høye faste utgifter til statskassen og høy gjeld. Og når de nå skal bruke Keynes som lærebok og veiviser, og pøse penger inn i økonomien for å få hjulene i gang, har de ingen penger å bruke. Penger er ikke spart, og skattekutt er gitt. Så finanskrisen viser hvor prisgitt vi er utviklingen internasjonalt, men det er også en veiviser for hvor mye vi kan gjøre selv ved å holde orden i eget hus, og ved at vi engasjerer oss for våre verdier internasjonalt. Når Jens Stoltenberg nå varsler et stramt budsjett, bør det lyttes, og det bør støttes. Ingen må innbille seg at vi ikke står overfor enorme utfordringer framover som følge av Ikke minst må vi være i forkant for å sikre at norsk eksportindustri utenfor oljesektoren opprettholder sin konkurransedyktighet. Vi har vist at et samfunn som har høy velferd og høyt skattenivå, er levedyktig, også i tider med økonomisk uro. Faktisk er det skattenivået og våre offentlige fellesgoder som gjør oss rustet til å møte det vi nå ser konturene av i den internasjonale økonomien. Vi søker forbedringer på helt feil grunnlag dersom vi ikke ser at det norske sosialdemokratiet har klart seg særdeles godt i møte med den krisen verden nå står overfor, og står ualminnelig godt rustet til å gjøre det samme også i tiden framover. Mange ord er blitt brukt de siste to månedene om de grufulle og

Mye er også blitt sagt om det gode samholdet som ble vist i tida etter 22. juli. Et av mine sterkeste øyeblikk var i begravelsen til Bano Rashid på Nesodden, en kristen seremoni i Nesodden kirke med en muslimsk seremoni ved gravplassen utenfor. Da vi fulgte Bano til graven, gikk presten og imamen sammen ut av kirken, side ved side. Norge blir ikke det samme etter 22. juli, La oss virkelig håpe og tro at det samholdet vi har sett de siste månedene, er en varig endring i hvordan vi som innbyggere i Norge behandler hverandre, og oppfører oss mot hverandre. Debatten i dag om 22. juli har nesten utelukkende dreid seg om beredskap og håndtering. Den debatten er det helt avgjørende at vi tar. Jeg er stolt av å være med i et parti med en statsminister og en justisminister som står fram på den måten de gjør, og som også tar ansvar. ansvar. Debatten om beredskap må vi ta, men det er også andre debatter vi må ta i kjølvannet av 22. juli. Forebygging er viktig, og forebygging handler ikke bare om mer ressurser til politiet og til PST, men også om hvilke politiske holdninger som kommer til uttrykk i det offentlige ordskiftet. Vi har de samme utfordringene nå som før

rett etter de grufulle hendelsene. Denne debatten er

Barnebarnet mitt på 2 ½ år sier: Kom an! når han vil at jeg skal komme på gulvet og leke. Kom an var det entydige svaret fra ungdommen. Kom an, møt terror med dialog, samtale, demokrati og åpenhet. Kom an! Regjeringspartienes mål om den laveste arbeidsledigheten i Europa er vi så langt alene om. Arbeiderpartiets virkemidler handler om hverdagen til folk: rettferdig beskatning, forenkling av regelverk, samhandlings-, pensjons- og uførereform er bærekraftige virkemidler for at Norge skal kunne møte framtida. Arild Theimann fra Sandefjord Arbeiderparti sa: For offentlige virksomheter er tjenestene målet og pengene virkemidlet. For private virksomheter er pengene målet og tjenestene virkemidlet. Jeg vil at pengene skal gå til tjenester, ikke til aksjeutbytte til private eiere. eiere. Dette er den norske modellen. De borgerliges vakling mot en eventuell borgerlig regjering følges med interesse. Først på spørsmål kommenterte Høyres statsministerkandidat finanskrisen. Høyre nærmer seg Fremskrittspartiet. Vi ser det i skjenkedebatten: Mer politi er nå også Høyres svar på sammensatte og komplekse problemer. Retorikken rundt skattepolitikken er nei til formuesskatt – punktum uten resonnement rundt konsekvenser eller inndekninger. Høyre argumenterer med at de rike vil jobbe mer dersom de blir rikere, i motsetning til vanlige folk, som vil jobbe mer, stå opp tidligere hvis de får mindre. Etter seks år i opposisjon var formuesskatten det de skulle «ta» posisjonen på – etter seks år! Den årlige skattevirkningen i budsjettene fra Fremskrittspartiet og Høyre for 2011 er beregnet å gi dem med inntekter under 400 000 kr inntil 2 000 kr i skattekutt. 600 er formuesskattekroner. De med over 3 mill. kr i inntekt får inntil 113 000 kr, nesten 59 000 er formuesskattekroner. FINN.no hadde 15. juni for De med inntekt over 3 mill. kr kan kjøpe bilen etter ett år. De med inntekter under 400 000 kr må spare i 56,5 år før de kan kjøpe den samme bilen. På en dag med meldinger om Hellas’ mulige konkurs, børsfall, oljekursfall og stor sosial uro i Europa skal vi fristes av politikk som gjør oss i stand til å kjøpe en bruktbil etter 56,5 år. Jeg gleder meg til en valgkamp for en ny rød-grønn regjering i 2013!

Det har allerede blitt langt tøffere for norsk næringsliv, med høyt kostnadsnivå og sterk krone, og vi opplever nå at næringslivet justerer ned sine forventninger. Vi ser også at reiselivsbedrifter i distriktene rammes særlig hardt. Senest i går kunne en lese i Sunnmørsposten at distriktshotellene er fanget i en ond sirkel, at de langt på vei er taperne i kampen om En krevende økonomisk situasjon i verden og en rekordsterk norsk valuta har bidratt til en svekket eksport av norske varer. Det er blitt dyrere for utenlandske turister å komme hit. Og det har blitt enda billigere for nordmenn å feriere utenfor landet. I trontalen sier regjeringen at den vil føre en aktiv næringspolitikk over hele landet, og de gjentar løftet om å utarbeide nye strategier for reiselivsnæringen. Når norsk reiseliv skal videreføre utviklingen av norske reiselivsprodukter for at norske aktører skal hevde seg i en stadig tøffere internasjonal reiselivsnæringen. Når norsk reiseliv skal videreføre utviklingen av norske reiselivsprodukter for at norske aktører skal hevde seg i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, vil hotellnæringen være en svært viktig aktør. Jeg snakker da ikke om by- og flyplasshoteller, som ofte drives av store internasjonale kjeder. Nei, jeg sikter spesielt til generasjonsdrevne distriktshoteller – historiske perler som ofte er fredet eller vernet og plassert innerst i våre mange Den særnorske formuesskatten og arveavgiften er i dag disse bedriftenes største fiender med tanke på investeringer til fornyelse og videreutvikling for å møte dagens utfordringer i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. LO-leder Roar Flåthen tok i dag igjen til orde for å fjerne den særnorske formuesskatten på arbeidende kapital. Jeg men jeg håper og ber om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar ansvar, at de ser verdien av å lette det ødeleggende skattetrykket som er lagt på norskeide bedrifter, deriblant de historiske generasjonsbedriftene innenfor reiselivet vårt. Trontalen bekrefter det vi vet: Norge er

Ideen om et sterkt fellesskap og solidaritet har stått seg godt i en tid med økende globalisering, økonomisk vanskelige tider rundt oss, ikke minst da vårt demokrati på den mest grusomme måten ble rammet av terror i regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli. Høyresiden og deler av sentrum ivrer stadig etter salg, konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Denne debatten kom for alvor på og forsterket seg under Adecco-skandalen og da det ble kjent at NHO Service sendte høyresidens kandidater på kurs i salg og konkurranseutsetting. For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre gode offentlige tjenester, et godt tilbud til brukerne og en god og seriøs arbeidsplass

Gjennom oppfølging i NTP vil regjeringen og vi rød-grønne på Stortinget arbeide for å nå målene om et sikkert og miljøvennlig transportsystem som er tilgjengelig for alle. Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk over hele landet og satse på områder der vi har særlige forutsetninger for å skape Ingen regjering har satset mer på samferdsel enn den rød-grønne. Dette gjelder i landet generelt. Den rød-grønne regjeringen vet at god infrastruktur er avgjørende for at folk kan leve og virke over hele landet. Jeg skal ta et eksempel. Hurtigruta er viktig i denne infrastrukturen. Derfor er jeg veldig glad for at denne regjeringen har fått på plass en avtale som sikrer daglige avganger hele året fra 34 havner. Investeringene i vei og bane led i mange år av manglende vedlikehold og underfinansiering. I 2005 snudde den rød-grønne regjeringen trenden. Siden 2005 har bevilgningene til vei og bane økt med 51 pst. Norge bevilger mest penger til vei av alle landene i Norden, uavhengig av størrelsen på veinettet.

Men for velgernes del begynner det faktisk å bli på sin plass at det kommer en avklaring ikke bare på hva slags alternativ regjeringskonstellasjon den borgerlige siden skal gå til valg på, men også hva slags alternativt prosjekt de vil velges på. Det nærmeste man kommer i denne debatten er en felles borgerlig bekymring for norsk konkurranseevne og vilkår for norske bedrifter. Det er gode ting å være opptatt av, men beskrivelsene fra høyresiden blir nesten absurde når vi ser Norge utenfra i en europeisk kontekst. Det er nesten så man kan mistenke dem for ikke å forstå alvoret i den krisen som herjer rundt oss, og årsakene til at den har oppstått. For noen uker siden kom bestselgeren «The Spirit Level» ut på norsk under navnet «Ulikhetens pris». Det er en bok som på veldig slående måte viser hvordan de landene som har minst forskjeller,

Den boken er på ingen måte noen bibel. Og jeg skal være den første til å innrømme at de økonomiske sammenhengene noen ganger kan være hakket mer kompliserte enn det forfatterne gir inntrykk av. Men hovedfunnene går det ikke an å fornekte. Det er jo bare å se seg rundt i verden. Hvem er det som har klart seg bra? Hvem har ikke det? De landene som klarer å gi innbyggerne sine sosial sikkerhet, og der hvor ulikhetene er små, er også de landene hvor innbyggerne er produktive, hvor tilliten er høyest og økonomien i sterkest vekst. Det er en veldig intuitiv sammenheng. Så kan man alltid diskutere hvordan man skal innrette skattene på best mulig måte. Veldig mye har handlet om formuesskatt her i dag. De endringene som allerede har blitt gjort i formuesskatten, mener jeg udelt er av det gode. Men Høyres og Fremskrittspartiets forslag handler ikke om arbeidende kapital. De vil rett og slett fjerne hele formuesskatten, uten noen annen inndekning. Det er et forslag som vil redusere inntektene til den byen som jeg representerer, Oslo, med nesten 2 mrd. kr. Man skal altså bedre norske bedrifters konkurranseevne gjennom å øke inntektsforskjellene og kutte i velferd. Derfor er det rimelig at vi nå etter hvert får et svar fra borgerlig side på hva slags alternative prosjekt de har planer om å gå til valg på. Det gamle uttrykket «Look to Norway» har fått ny relevans gjennom finanskrisen. Svært mange av Arbeiderpartiets talere har brukt Hellas som inngang til sin beskrivelse av den økonomiske politikken. Det er

hvis man kjører som de har gjort. Men særlig lenger strekker vel ikke dette eksemplet seg, annet enn som en slik illustrasjon. Å bruke det som et utgangspunkt for å beskrive hva som er Norges utgangspunkt, og hva som skulle være god økonomisk politikk for Norge, vil fort komme feil av sted. Vi har i løpet av denne dagen og denne debatten hørt en masse fine målsettinger beskrevet av Arbeiderpartiets representanter. Målsettingene er det i og for seg enkelt å slutte seg til. Det det har vært mindre av, er hvordan man skal nå disse målsettingene – hvilken ny politikk som skal til fremover i en verden som er endret, for å å sikre velferden og sysselsettingen fremover. Høyres resept på dette er jo å styrke den verdiskapingen som ligger i bunnen i samfunnet. Den bygger på de private aktørenes initiativ og vekstevne. Vi ønsker at en større del av kapitalen blir liggende i bedriftene, at vi får en mer treffsikker investering på den måten. Vi ønsker styrket forskning og innovasjon, og vi ønsker en effektiv offentlig sektor som gir gode arbeidsplasser og som gir en effektiv bruk av midlene som skal til for å få det som i virkeligheten er et varmt samfunn. Arbeiderpartiet har hatt full sysselsetting som en viktig gjennomgangsmelodi i denne debatten. Jeg savner en problematisering rundt spørsmålet om riktig rekruttering, for det er nemlig slik at hvis man i privat sektor får svekket sysselsetting, er det ikke gitt at den arbeidsledigheten er mulig å ta opp i offentlig sektor. Det er altså ikke noen nødvendig kommunikasjon mellom det. Vi kan fort komme i en situasjon der vi har arbeidsledighet på visse områder og mangel på arbeidskraft på andre. Det er ikke mange årene siden vi hadde det som en veldig aktuell problemstilling. Dette er en viktig problemstilling fremover, både med hensyn til press i økonomien og for å få løst sentrale oppgaver. Jeg savner i debatten en problematisering rundt dette og en anvisning om en politikk som

Vi har stanset en massiv privatisering av skolen. PISA-testene viser at nedgangen i faglige resultater er snudd til oppgang. Det store forstyrrende konfliktnivået i skoledebatten er historie. Ikke minst har vi levert full barnehagedekning, som gjør at flere får best mulig utgangspunkt for å lykkes i skolen. Regjeringen har også en kraftig innsats mot frafall i videregående opplæring gjennom Ny GIV og gjennom en ny ungdomsskolemelding. ungdomsskolemelding. Der sørger man bl.a. for å løfte de svakeste på 10. trinn, så de er bedre rustet for videregående. Vi skal yrkesrette mer på yrkesfag. Engelskeksamen skal ikke lenger være sentralgitt, noe som gjør at hvert fylke i hvert fag kan finne den beste måten å lære opp elevene på. Vi skal vurdere om noen av yrkesløpene har blitt for brede og for smakebitsorienterte. Nå skal vi også sammen med partene som kan sikre at de som ønsker det, kan sluttføre utdannelsen sin med fagbrev i hånden. Erfaringer fra deltakelse i internasjonale yrkeskonkurranser viser også at norske fagarbeidere er på et meget høyt nivå. Ytterligere satsing på konkurranser som World Skills og Yrkes-NM skal gi mer motivasjon til å heve kvaliteten og Det samfunnet der bare de som velger et akademisk utgangspunkt, kommer helt til topps, er i ferd med å forsvinne. Arbeidslivet etterspør allerede i dag arbeidstakere med praktisk bakgrunn og teoretiske kunnskaper. Framtidens arbeidsliv er ikke statisk. Vår vilje til å samarbeide med partene er viktig for å kunne legge til rette for denne utviklingen. Vi må diskutere hvordan vi skal kunne bryte ned skillene mellom de ulike utdanningssystemene våre og mellom utdanning og annen kunnskap og kompetanse. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket signaliserer at dette er framtiden. Det må også gjenspeiles i vårt eget nasjonale kvalifikasjonsrammeverk. I dag foregår en stor del av kompetansebyggingen og opplæringen ute på norske arbeidsplasser. Derfor trenger vi også et system for å kategorisere og kvantifisere dette, slik at vi kan likestille kunnskap, gjerne med kunnskap fra høyere utdanningsinstitusjoner. I tillegg trenger vi et skikkelig system for etter- og videreutdanning. Lykkes vi med dette, lykkes vi med å skape et sterkt fundament for norsk arbeidsliv, slik at vi kan fortsette å være et av de mest produktive landene i verden, og slik at vi også i framtiden skal kunne ha en av de mest kompetente og omstillingsdyktige arbeidsstokkene i verden med de mest

er riktig nok enkelte som ikkje rekk fram til vallokalet, ikkje får fri eller ikkje veit at dei har stemmerett, med det gjeld dei aller færraste. Det som blir lyfta fram som den viktigaste årsaka til å melde seg inn i sofapartiet, er at ein føler at eiga stemme ikkje tel, eller at politikk ikkje framstår som viktig nok, særleg i lokalval. Det er eit demokratisk, strukturelt problem som det er vårt ansvar som politikarar å rydde opp i

Det er nettopp derfor eg ynskjer meg ein nasjonal dugnad med politikarar og pressa for å gjere politikken meir tydeleg, skiljelinene klarare, budsjetta meir føreseielege og vårt virke nærmare dei me representerer, slik at alle får ta del i demokratiet på like premissar. Eit av dei viktigaste grepa me kan ta, er å slutte med politisk kvakksalveri. Valkampane må vere diskusjonar om kva kvart enkelt parti vil gjere etter valet. Me må få fram skiljelinene. Me i Arbeidarpartiet må snakke om kvifor me meiner at våre fellesskapsløysingar er viktigare enn Høgres enkeltmannsløysingar, og Me må snakke om kvarandres prosjekt, og me må snakke om våre eigne. Men me kan ikkje ha fleire enkeltsaksdebattar med lovnader om konkrete handlingar som ikkje blir gjennomførde. Det finst dessverre ikkje eit einaste parti som kan kaste stein i dette glashuset. Eit av dei grovaste brota på demokratiske spelereglar i valkamp og politisk virke i moderne tid finn me i min eigen by, Bergen. Der køyrde Høgre og Framstegspartiet ein knallhard valkamp med lovnad om å fjerne eigedomsskatten. Dei ville ikkje eingong diskutere korleis dagens Høgre-system slår urettferdig ut. Det var ikkje nødvendig, fordi Høgre Å vere ueinig om bruk av eigedomsskatt som verkemiddel for å løyse velferdsoppgåver er ei heilt ærleg sak. Men det er ikkje ei ærleg sak av Høgre og Framstegspartiet veka etter valet å leggje fram eit budsjett som er stappfullt av eigedomsskatt. Det er uærleg, og det er farleg for det demokratiet me eig saman. Veljarane skal føle at dei får det dei stemmer på, og politikarar skal fremje politisk deltaking, ikkje

La meg kort få vise til flere spørsmål jeg har stilt justisminister Knut Storberget: I Dokument nr. 15:487 for 2007–2008 og i Dokument nr. 15:504 for 2009–2010 spurte jeg statsråden om han ville bidra til at politi- og lensmannsetaten i Møre og Romsdal skulle få rammebetingelser til å ansette kvalifiserte fagfolk i vakante stillinger, og samtidig sørge for nødvendige investeringsressurser til å ruste opp bilparken og nedslitt utstyr. I Dokument nr. 15:1449 for 2008–2009 spurte jeg om statsråden ville se på tall fra Politidirektoratet som i klar tale viser at politidistriktene på Sunnmøre og i Nordmøre og Romsdal får mindre av den totale rammen enn landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for spørsmålet var at fylket hadde 1,12 politimann per 1 000 innbyggere, mot landssnittet, som lå på 1,8, og mot Stortingets mål, som er på 2 per 1 000 innbyggere. I løpet av disse årene har det blitt bevilget mer penger til politiet. Til tross for det har Høyre fått flere bekymringsmeldinger om at utfordringene for politiet består, og til

i et leserinnlegg i Sunnmørsposten den 16. juli skriver lokallagslederen i Politiets Fellesforbund for Sunnmøre, Jan Magnar Sandvik, bl.a.: «Sunnmøre politidistrikt har fortsatt samme politibemanning i 2010 som i 2006.» Han uttaler videre: «Viser ikke Jens og Knut handlekraft, vil 2012-budsjettet bli en kopi av 2011-budsjettet. Sunnmøre vil oppleve ennå et budsjettår der vi ikke får kompensert for lønns- og prisstigning, med de konsekvenser dette vil Ser justisministeren og regjeringa at det er større grunn til bekymring for norsk politikraft enn det regjeringa tidligere har gitt uttrykk for? Og tar Jens og Knut oppfordringen fra politiets tillitsvalgte på Sunnmøre om å vise nødvendig handlekraft også

de politisk motiverte terrorangrepene mot regjeringskvartalet og mot AUF på Utøya var vi mange som håpet på, og som innstendig oppfordret til at valgdeltakelse og det å gå og stemme skulle være svaret. Det håpet fikk vi ikke innfridd. Valgdeltakelsen gikk bare marginalt opp. opp. Valgoppslutningen i år gjør at det fortsatt er grunnlag for å se etter nødvendige endringer for å øke deltakelsen i framtidige valg. Det er avgjørende for legitimiteten til folkestyret at valgdeltakelsen er høy nok. En annen viktig forutsetning for det lokale selvstyret er Det må oppleves som interessant, med reelle muligheter for å gjøre politiske valg for de som stiller til valg i kommunestyrer og fylkesting rundt om i landet, og det må oppleves som reelle valg for innbyggerne i kommunene. Det å ha orden i egen økonomi er en forutsetning for å kunne prioritere, gjøre valg. Og på samme måte som regjeringen styrer landet, må kommunene føre en ansvarlig budsjettpolitikk.

Men det er bare én del av regnestykket, for de vil samtidig ta bort eiendomsskatten, som sikrer norske kommuner 7 mrd. kr i inntekter i 2011. Kutt i formuesskatt, har vi hørt i dag, er fortsatt den viktigste saken i den økonomiske politikken, men vi har ikke hørt noen av dem som har tatt til orde for å fjerne formuesskatten, si noe om hvordan de 9 mrd. kr kommunene får, skal dekkes inn. Høyre og Fremskrittspartiet vil også ha en annen fordeling av skatten mellom kommunene, som sikrer en økning i budsjettet for 77 kommuner. Men det er ingen som sier noe om baksiden av medaljen, som er de 353 kommunene som taper på en slik omlegging. At lokale folkevalgte har en avgjørende innflytelse på barnehage, grunnskole, helsetjeneste og pleie og omsorg, er en verdi i seg selv for Arbeiderpartiet. Hvis man skulle være tabloid, kunne det være fristende å si at med høyrepartienes økonomiske politikk for kommunene blir de folkevalgtes rolle først og fremst å bestemme hvilke tilbud som skal avvikles. Det er

prøvd. Kanskje noen andre kan overta og lykkes senere, eller kanskje har man fått nye ideer som kan prøves ut, og dermed kanskje lykkes da. Lykkes man, er man med på å kunne betale for fellesskapets tjenester, dog må den enkeltes belastninger i form av skatter og avgifter stå i forhold til hva den enkelte bedrift kan, uten at bedriften føler dette for belastende. Men formuesskatt og arveavgift må være noe som bør fjernes raskest mulig. For at næringslivet skal kunne være ute i distriktene, må vi ha et samferdselsnett som ivaretar næringslivets behov. På mine utallige bedriftsbesøk rundt omkring i landet har så å si hver gang dårlige veier vært et tema som går igjen – enten er veien for smal, har for dårlig akseltrykk, det er mangel på vedlikehold, Varer og tjenester skal både ut i og inn fra distriktene, og avstandene er ofte store. Derfor er det for bedriftene av stor viktighet at veinettet blir vedlikeholdt og ikke minst bygget ut. Det samme gjelder for bosetting ute i distriktene. De som bor i distriktene, må ha et godt samferdselstilbud for at deres hverdag – utfordringer med bl.a. jobbreiser og transport av barn – skal fungere. Det handler også om trafikksikkerhet for den enkelte. Apropos trafikksikkerhet: Mange bilopphoggere har hatt travle dager denne uken, da det blir utbetalt 1 000 kr ekstra for innlevering av gamle biler. Dette burde gjenspeiles i statsbudsjettet ved at vrakpanten blir økt. Vi har en svært gammel bilpark, som både forurenser mer og er farligere enn Avslutningsvis vil jeg prate om ny rv. 3/25 gjennom Elverum og Løten. Med en bompengeandel på 93 pst. sier det seg selv at dette vil være en for stor belastning både på næringslivet og på privatbilismen. Nye veier trenger vi, men bompenger er feil måte å finansiere dette på. Til det har staten økonomiske midler nok.

vår eigen politikk, og ikkje bruke tid og krefter på å kritisere håplaus raud-grøn politikk. Høgre har ført ein valkamp med verdigheit og har vore raus overfor politiske motstandarar. Vi har teke på alvor ønsket om eit folkestyre som er bygt på respekt og toleranse. Derfor er det trist når dei raud-grøne regjeringspartia brukar denne trontaledebatten til å spreie og rakke ned på Høgre sin politikk. Det er direkte pinleg å høyre representanten Terje Aasland sin påstand om at høgrepolitikk vil rive i sund den norske modellen. Det er beklageleg at statsministeren og andre stadig gjentek sine feilaktige påstandar om det dei kallar høgresida sin uansvarlege skattepolitikk med titals milliardar i skattekutt – noko som dei påstår vil øydeleggje moglegheitene for å skape velferd. Historia viser at dersom ein set ned skattane vil øydeleggje moglegheitene for å skape velferd. Historia viser at dersom ein set ned skattane til næringslivet og folk flest, blir det større vekst. Næringslivet får større moglegheit til å skape overskot og forteneste. Det gjev igjen fleire arbeidsplassar og auka skatteinntekter til staten. Høgre ønskjer å føre ein politikk som skapar meir, ikkje skattar meir. Høgre vil føre ein politikk som legg til rette for eit sterkt næringsliv, som skapar verdiar og tryggjer velferda. Kunnskap og konkurransekraft er nøkkelen til det. Høgre vil føre ein politikk som gjev kunnskap i skulen, der elevane får det aller beste grunnlaget for å klare seg resten av livet, og der læraren er den viktigaste innsatsfaktoren for å få det til. Høgre vil føre ein politikk som gjev kvalitet i omsorga, der styrking av kompetansen hos dei enkelte tilsette er nøkkelen for å oppnå det. Høgre ønskjer å sleppe alle gode krefter til for å styrkje velferda.

Solidaritet mellom mennesker er en forutsetning for å kunne skape et slikt samfunn. Den viktigste ressursen vi har i dette landet, er vi som bor her. Uten folk som arbeider, skapes det ingen verdier. Og uten verdiskaping blir det heller ingen goder å fordele. Jeg var svært glad for at innholdet i trontalen hadde fokus på hvilke områder denne regjeringen ønsker å satse på. Jeg kommer fra Nordland. Der har vi store naturressurser i form av fisk, mineraler, olje, gass, vannkraft og flott natur. Videreutvikling av disse ressursene i mitt fylke og i landet for øvrig er viktig. Derfor er jeg svært fornøyd med at regjeringen legger opp til en aktiv næringspolitikk for hele landet og vil satse på områder hvor vi har særlige forutsetninger for å skape verdier. Nordområdene er et slikt område.

og gass skal opprettholdes. Det skal legges til rette for at oljeindustrien får tilgang til interessante letearealer. I sitt innlegg framstilte Høyres Elisabeth Aspaker det som om denne regjeringen ikke har satset på kunnskap og forskning. Jeg er enig i at dette området er avgjørende for å lykkes i framtiden. Derfor har vi store ambisjoner på dette området. Under den rød-grønne regjeringen har bevilgningene til dette formålet hatt en realvekst på Aspaker ga også inntrykk av at basisnæringene sliter. Jeg regner med at sjømatnæringen er med i det bildet. Da kan Aspaker ikke ha fått med seg at eksport av norsk sjømat setter den ene rekorden etter den andre, og er den nest største eksportnæringen etter olje. Ikke nok med det, for kort tid siden kunne vi lese på NRK at fiskere langs hele kysten har hatt et godt år og fisket for 5,3 mrd. kr. Dette er godt nytt. Det er store verdier som kommer det lokale næringslivet til gode. Og som han sa, administrerende leder i Nordland Fylkes Fiskarlag: «Når det går godt i fiskeriene, så går det også veldig godt ute i de lokale samfunnene.» Debatten i dag har vist at det er

mens vi i Fremskrittspartiet vil fjerne formuesskatten. Privat sektor er avhengig av investeringer. Skal investeringene kunne skje, må det være noen her i landet som har penger, og som er villig til å satse dem på utvikling av bedrifter og det å skape arbeidsplasser. Staten er helt og holdent avhengig av privat sektor, at investeringer blir gjort, og at norske bedrifter har kapital, varer, utstyr og maskiner til sin virksomhet. Staten kan nemlig ikke leve ene og alene av å kreve inn skatter og avgifter fra sine egne ansatte. Derfor er privat sektor så viktig. Å avskaffe formuesskatten er derfor et viktig tiltak for å sikre norske arbeidsplasser, sikre produksjon, vekst, utvikling og velstand i Norge. Det virker derfor lite seriøst når statsministeren tidligere i dag falt for fristelsen til å kalle dette for å gi skattelettelser til det han kalte den rikeste prosenten av innbyggerne. Ærlig talt, jeg trodde dette var en retorikk som ikke ble brukt utenfor ideologiseminarene til Sosialistisk Venstreparti. Dette er en ordbruk som minner om gammeldags klassekamptenkning, den gangen det å bekjempe de rike kapitalistene var gangbar politikk. I dag vet vi at investorer, bedriftseiere og bedriftsledere er helt avgjørende for at den verdiskapende, private, selvfinansierende sektor i samfunnet skal kunne fungere som den skal, ikke bare for egen del, men for at det skal være mulig for Arbeiderpartiet og regjeringen å finansiere alle typer offentlige velferdstiltak. Derfor er det å fjerne formuesskatten ikke å gi subsidier til de 1 pst. rikeste – det er klokt, og det gir flere og sikrere arbeidsplasser til helt alminnelige lønnstakere. Representanten Inga Marte Thorkildsen fra Sosialistisk Venstreparti ble spurt i Dagsrevyen i dag om hun var i stand til å se at formuesskatten Hun svarte at ja da, det kan nok skje, men det er viktigere med et rettferdig skattesystem. Så vet vi det – i Sosialistisk Venstreparti mener man at det er helt greit at folk mister jobben, bare det skjer på en rettferdig måte. Fra spøk til alvor: At representanter fra Sosialistisk Venstreparti hater å se at noen bruker sparepengene sine til å investere i bedrifter, produksjon og samfunnsbygging, er vi vant med. At statsministeren lar seg lokke inn i samme typen retorikk,

Trontalen bar òg preg av mange varsla tiltak og av både strategiar og stortingsmeldingar. Dette er i sterk kontrast til liknande diskusjonar i Europa elles, der det berre er snakk om nedskjeringar. Representanten Solberg sa i innlegget sitt tidlegare i dag at Noreg fell på alle barometer som måler konkurransekraft og innovasjonsevne. Høgre sitt bakgrunnsmateriale er ei undersøking gjennomførd av den sveitsiske handelshøgskulen, IMD, der Noreg fell frå 9. til 13. plass på rangeringa over land med best konkurransekraft i verda, og hovudårsaka er at Noreg har høg lønsvekst. Vidare har vi eit komplisert skattesystem, høge skattar og ein lite fleksibel arbeidsmarknad. På desse områda har Høgre og Arbeidarpartiet heilt forskjellig politikk. Det finst sikkert òg andre rangeringar som Høgre vil ta til inntekt for svartmalinga av situasjonen for bedriftene her i landet. For det finst faktisk ei rekkje indikatorar i dei forskjellige rangeringane. For Arbeidarpartiet er og vert det viktigare å slå ring om velferdsstaten og arbeidstakarane sine rettar og å ha eit rettferdig skattesystem enn å Eg vil trekkje fram to indeksar som viser at Noreg er heilt i fremste rekkje når det gjeld konkurransekraft og innovasjon. I Verdsbanken sin «Doing Business»-rapport for 2011 er Noreg rangert som nummer 8 av 183 land. På World Economic Forum sin globale konkurransekraftindeks er Noreg også i år nummer 14 av 134 land. Noreg er kåra til verdas beste land å bu i år etter år, samtidig som Noreg er kåra til eit av dei beste landa i verda å drive næringsverksemd i. Denne kombinasjonen er heilt unik, du finn han ikkje i andre land, men dette vert ikkje kommentert av Høgre med eit ord – ikkje eitt ord. Noreg har ein vesentleg sterkare vekst i privat sektor, i private bedrifter, no enn under den Høgre-styrte regjeringa. Dette er den beste indikatoren på at det går godt for Noreg. Høgrepartia vil endre den norske modellen til å ha ein liten offentleg sektor med private tilbydarar også innanfor skule og helsetenester – men betalt av staten. Dei norske skattekronene skal altså kunne gå til profitt til private. Og så skal vi ha amerikansk skattenivå. Både i vårt land og i resten av Europa har høgrepartia sin politiske praksis og retorikk vore prega av ein illusjon om at lågare skattar og ein mindre offentleg sektor er ein føresetnad for økonomisk vekst. Men relativt høge skattar bidreg til omfordeling frå dei som har mykje, til dei som har mindre, og det sikrar

Arbeiderpartiets definisjoner av enkelte næringsøkonomiske begreper skriker for det første etter korrigeringer. For det andre er de, om de får festet seg, en fare for den velferden vi skal utvikle. Når Kolberg beskylder Høyre for å være redd for en sterk stat, blir vårt automatiske oppfølgingsspørsmål om det for Kolberg finnes en grense for hvor stor og sterk en stat bør være. Kan det tenkes, tenker vi, at en for sterk stat kan bli en fare for verdiskapingen og dermed true velferden? Ja, helt klart, mener de langt fleste som interesserer seg for spørsmålet – men ikke Kolberg. Vi tror det er viktig å lete etter balansen mellom statskraften og den kraften et konkurransedyktig næringsliv gir oss i arbeidet med å sikre velferdsordningene. Så til debatten om konkurransekraft og hva begrepet kan inneholde. Både statsministeren og Martin Kolberg lever i den villfarelsen at konkurransekraft er ensbetydende med høy sysselsetting. Det er feil – fundamentalt feil. Høy sysselsetting er et resultat av mange ting. Det kan også være et resultat av god og høy konkurransekraft. Hvis høy sysselsetting var ensbetydende med norsk næringslivs evne til å konkurrere internasjonalt, ville vi i disse dager ikke diskutert problemene i bedriften REC. Hvis høy sysselsetting var ensbetydende med høy konkurransekraft, ville vi ikke ha sett en eneste norsk arbeidsplass bli flyttet ut av landet. Virkeligheten er dessverre ikke slik. Konkurransekraft er heller ikke en statsminister som er omreisende i eller en statsminister som promoterer svenske fotskamler under valgkampen i Tromsø. Konkurransekraft måles bl.a. i hva det koster å produsere et produkt, en idé eller et prosjekt i den kvaliteten som kunden vil ha, sammenlignet med kostnadene til konkurrentene i andre land. Konkurransekraft måles i norsk næringslivs evne til innovasjon, slik at man kan kompensere for et høyere lønns-, skatte- og avgiftsnivå. Konkurransekraft kan man måle i innovasjon, slik at norsk næringsliv har omstillingsevne sterk nok til å gjøre nødvendige endringer etter hvert som konkurransen ute i verden endrer seg. Det er denne konkurransekraften som har svekket seg. Det er det vi fra Høyre har sagt og prøvd å rope varsko om. Det er dette scenarioet som gjør at Høyre er opptatt av norsk næringslivs rammebetingelser, inkludert skattetrykk. Et fryktet bilde av høy sysselsetting som har vært, kan fort forklares med politikere i dvale, som ikke la forholdene til rette for et konkurransedyktig næringsliv, og derved forvitret grunnlaget for velferden vår. Trygghet for velferden fordrer et næringsliv som har høy konkurransekraft. Den tryggheten skapes gjennom Høyres politikk. Vi går inn i en tid med økende økonomisk usikkerhet. La meg si det er

f.eks. Nord-Trøndelag. Der hører vi fra skogbruksnæringen at man frykter nedleggelser av sagbruk i skogfylket Nord-Trøndelag, et av landets største skogfylker. Hvorfor frykter man nedleggelser der? Det er ikke på grunn av økonomisk usikkerhet. Det er ikke på grunn av økte kostnader. Nei, det er fordi man ikke får nok tømmer – i skogfylket I det fylket står 65 pst. av virkesressursene i de såkalte inngrepsfrie naturområdene. Da skognæringen i Nord-Trøndelag fortalte det til ansvarlig statsråd, miljøvernminister Erik Solheim, hvilket svar gir han på vegne av regjeringen? Jo, skognæringen overdriver! Det skaper ikke sikkerhet og trygghet for verken arbeidsplasser eller næringsutvikling. Høyre vil legge til rette for at vi kan få en verdiskaping også basert på fastlandets naturressurser. Da må vi bygge den verdiskapingen, få tillit til grunneiere, til småbedrifter og familiebedrifter i hele landet, som gjør at man kan ta i bruk de naturressursene og fjerne mange av de hindringer man i dag opplever skaper usikkerhet, med referanse til eksempelet fra Nord-Trøndelag. Vi må sørge for at kommunene får større selvstyre og fjerne statlige overstyringer, som også begrenser kommunenes mulighet til å være en medspiller i næringsutviklingen. næringsutvikling og sikkerhet i større grad enn det vi opplever med regjeringens politikk i dag. Hva er

at vi som enkeltmennesker gjennom arbeid kan bidra tilbake til velferdssamfunnet gjennom en solidarisk skatte- og avgiftspolitikk, en skatte- og avgiftspolitikk hvor de som tjener mest, skal bidra mest. Dette er inntekter som gjør at småbarnsforeldre kan være hjemme sammen med sine nyfødte i over ett år inntekter som gjør at vi har full barnehagedekning, slik at foreldre kan kombinere familie og arbeidsliv, og at våre barn har et trygt sted å være i et godt og lærerikt fellesskap inntekter som gjør at våre barn og unge har en fellesskole, hvor toleranse, inkludering og integrering skal være viktige bærebjelker i tillegg til god faglig utdanning inntekter som sikrer enkeltmennesker inntekt ved sykdom, arbeidsledighet eller uførhet inntekter som fortsatt skal sikre nye og bedre helsetjenester over hele landet, helsetjenester av høy kvalitet og nærhet til den enkelte. inntekter som skal gå til en god og verdig eldreomsorg, hvor eldre har frihet til å velge om de ønsker å bo hjemme eller om de ønsker en plass i omsorgsbolig eller på sykehjem, hvis det skulle være nødvendig inntekter som skal sikre dagens og framtidens pensjonister en pensjon som de kan leve av

å få vite hvilket annet regjeringsalternativ som skal stables på beina. Hvilken politikk skal det andre regjeringsalternativet føre? Er de i stand til å føre dette landet med den tryggheten og den solidariteten som har vært vist gjennom

kirken skal få stå fritt når det gjelder å ansette sine egne ledere. Grunnen til disse uttalelsene skal visstnok være lav valgdeltakelse ved kirkevalget, selv om valgdeltakelsen økte. Kirkens valg har blitt gjennomført som preferansevalg, noe som gir velgerne veldig stor mulighet til å påvirke valgresultatet, så demokratiet var veldig godt ivaretatt i så henseende. Det er bare det at valgformen Både sentrale og lokale kirkeledere har for flere dager siden gått ut og tatt til orde for å endre valgordningen i samråd med storting og regjering. Når man da likevel ser, dag etter dag, innlegg der kirkeministeren sår tvil om kirkeforliket, som forresten ikke har som et av sine kriterier at en viss prosent av medlemmene skal delta i valget, hadde jeg virkelig forventet at ministeren tok dette opp i sitt innlegg i denne viktige debatten. Det dette opp i sitt innlegg i denne viktige debatten. Det ble altså ikke gjort. Ministerens uttalelser i media kan tyde på og oppfattes som at hun ikke er noen tilhenger av at Kirken skal få bestemme i eget bo. Dette er en viktig sak som opptar veldig mange. Mange har lagt ned masse arbeid for å få kandidater til å stille på lister, i tillegg til at de har brukt mye av sin tid i forbindelse med kirkevalget. Da kan det synes som både trist og noe respektløst å så tvil om forliket, spesielt når Kirken selv er opptatt av å få forhåpentligvis gode råd av storting og regjering til å avvikle valget på en bedre måte. Det hadde vært veldig greit å få en avklaring på om dette er noe hele regjeringen står samlet om, eller om det er et soloutspill fra kirkeministeren. Spørsmålet blir da:

Du tvinges til å ta beslutninger som gjelder svært ulike forhold. I dagens samfunn er det for mye detaljstyring og kontroll fra overordnet nivå. Arbeidsglede og motivasjon kommer av at folk får bruke seg sjøl og ta ansvar, bli møtt med tillit og ikke med detaljsystemer. Myndige mennesker har den største kontrollen i seg sjøl, ikke i form av kontroll fra Våre helsefagarbeidere vil ha fokus på møtet mellom pasient og behandler, ikke på kurs i DRG-koding. Våre lærere vil ha fokus på samtalen i klasserommet og læringsmiljøet, ikke på innrapportering av kartleggingsprøver. Det er et menneske med bedre helse og større kunnskap om livets realiteter som er hele poenget. Jeg undrer meg over dagens samfunn, som i for liten grad har som forbilde det sjølstendige, myndige mennesket med respekt for andres innsikt på alle plan i samfunnet. Bare da, når vi forstår at andre har innsikt i sin situasjon og gode grunner for sine beslutninger og valg, er det naturlig å vise respekt for andre. Det er på dette menneskelige grunnlag jevnbyrdighet i samfunnet skapes, en jevnbyrdighet som så må følges kontinuerlig opp med en rød-grønn politikk, som skaper mer likeverdige økonomiske forhold blant folk. Det er et stort fokus i Norge i dag på uspesifisert kulturmangfold og menneskelige rettigheter, og det skal forsvares. Men det jeg snakker om, står for lavt i kurs. Vi må i større grad oppmuntre til dannelse av myndige mennesker og øve de unge opp i det. Den store tragedien på Utøya og ved sentraladministrasjonen i Oslo har nok en gang minnet meg om behovet for et samfunn med mange slike mennesker som i krevende situasjoner tar ansvar. Det er mange av oss som har mye å lære av dyktige fagfolk i de praktiske yrker. Alt arbeid er et fag. Som politiske ledere håper jeg flere av oss kan vise arbeidshendene økt respekt i oppdragelse, utdanning og i det betalte og ubetalte arbeidsliv. Det finnes mange slike gode forbilder for ungdom. La oss ta dem fram i vårt språk. Nye offentlige systemer kan aldri erstatte ansvarsfulle og handlekraftige mennesker. I dag er det mange som har sagt mye fint om 22. juli, og om samholdet og sorgen i Norge etterpå. For meg er det også umulig å begynne noen annen plass enn der. Jeg synes den tyske journalisten Anna Reimann skrev det fineste jeg har lest om det, i Der Spiegel. Hun skriver bl.a.: Selv i sin dypeste sorg blir ikke nordmennene hysteriske. De motsetter seg hatet. Det er fantastisk å se hvordan politikere og hele landet reagerer. De er triste til den dypeste tråden av sin sjel. De gråter med verdighet. Men ingen sverger på å ta hevn. I stedet vil de ha enda mer menneskelighet og demokrati. Det er en av de mest bemerkelsesverdige styrkene til dette lille landet. Jeg tror at en av årsakene til at det i det hele tatt var mulig for oss å reagere på denne måten som nasjon, var at vi er et samfunn med små forskjeller. små forskjeller. Små forskjeller betyr et samfunn som er bygd på fellesskap, likhet, frihet, brorskap og søsterskap. Det vi så etter 22. juli, viste akkurat hvor sterkt det fellesskapet kan være – både fellesskapet mellom mennesker, og den styrken som lå i den innsatsen som en rekke offentlige ansatte innenfor politiet, ambulansetjenesten, sykehusene og brannvesenet viste oss. Det er mange som har takket statsministeren i dag. Det vil jeg også gjøre, men jeg vil også takke den armeen av innsatsvillige som gjorde den vanskelige jobben det var å være politikvinne, ambulansesjåfør og brannmann den dagen. Mange fra opposisjonen har i dag etterlyst en bedre, kraftigere og sterkere kriseberedskap i offentlig sektor. Det er i utgangspunktet prisverdig. Men jeg må påpeke at det er nøyaktig de samme høyrepartiene som resten av året står i kø for å bygge ned den offentlige velferden og for å gi skattelette til dem som har mest fra før. I årevis har høyresiden fortalt oss at velferdsstaten er til hinder for utviklingen mot et bedre samfunn, at det ikke spiller noen rolle hvor store forskjellene i samfunnet er, så lenge vi løfter de fattigste i bunn. Men jeg mener at 22. juli-erfaringene viser at de tar feil. Det viser det motsatte. Det er mange som har nevnt «The Spirit Level» i dag – både representanten Marthinsen og representanten Thorkildsen – en bok som oppsummerer 30 års forskning, og der resultatet er entydig: Store Samfunn med små forskjeller har høyere levealder, mindre barnedødelighet, bedre mental helse, ja innbyggerne oppgir til og med at de er lykkeligere. Og ikke minst viktig i denne sammenhengen: Vi som lever i samfunn med små forskjeller, har større tillit til hverandre. Vi kjenner oppskriften på likhetssamfunnet i denne sal. Det er at alle bidrar til fellesskapet gjennom skatt – alle, også gjennom Det er fagforeninger, og det er gode, universelle velferdsløsninger for alle. Europa er store økonomiske utfordringar. Utfordringane er mange stader av ein slik art at ein må kunna kalla det gjennomgripande nasjonale kriser. Arbeidsløysa og sviktande framtidsutsikter særleg for unge er tydelege i mange land. Dette får alvorlege konsekvensar for familiar og samfunn. Her heime har vi danna omgrepet «den norske modellen». Dette er ikkje berre fyndord, men ei målretta politisk retning – ei politisk retning der arbeid til alle er eit overordna mål fordi vår største ressurs faktisk er framtidig arbeid. Arbeidarpartiet ønskjer ein aktiv næringspolitikk. Vi skal bruka naturlege fortrinn og vår kompetanse til å gi næringslivet gode vilkår for utvikling. Noreg skal vera eit stabilt og godt land å driva butikk i. Då må vi sikra føreseielegheit og gode rammevilkår både for bedrifter og for arbeidstakarar. Ved i tillegg å sikra relativt små forskjellar samanlikna med andre land skaper vi fellesskap som kan vera viktig å byggja vidare på når global uro også når Noreg. Vi skal ikkje bruka over evne. Vi skal ikkje sløsa bort oljemilliardane. Generasjonskontrakten sikrar at også komande generasjonar skal nyta godt av ressursane vi i dag forvaltar i Nordsjøen. Noreg har så langt klart å ikkje falla for freistinga til overforbruk, som i sin tur kan skapa overoppheting i økonomien og svekkja konkurranseevna. Vi er annleislandet, har det blitt sagt tidlegare i kveld. Ja, faktisk kan

og kan i dag skryta av stor yrkesdeltaking frå begge kjønn. Dette er ikkje tilfeldig. Det er ei målretta bygging av «den norske modellen», eller kall det gjerne annleislandet, om ein vil. For når det gjeld politisk retning, er det få ting som er så viktig som å sikra høg yrkesdeltaking og låg arbeidsløyse. Det sikrar velferd og gode framtidsutsikter for

som må satse på konkurranse innanfor kvalitet og kompetanse. For ei tid sidan blei det gjort ei stor undersøking blant bedriftene i dei største byane i Noreg. Bedriftene blei spurde om kva dei meinte var viktig for deira bedrift på lang sikt. Utan samanlikning med andre ting kom kompetanse på topp. Det viste seg at når bedrifter blei spurde om kva som var viktig, svara dei ikkje dei ikkje skatt – dei svara kompetanse. Når eg er ute og reiser og besøkjer bedrifter, store og små bedrifter, er det gjennomgåande at det dei er mest bekymra for, er tilgang på kvalifisert arbeidskraft og å klare å halde på kvalifisert arbeidskraft. Difor er det viktig å satse på kompetanse på alle nivå i bedrifta. Den beste konkurransekrafta Noreg har, er nettopp at vi har kvalifisert arbeidskraft på alle nivå, frå operatør til forskar. Difor har denne regjeringa satsa på kompetanse på alle nivå. Vi satsar på vidaregåande skule for å unngå fråfall. Vi satsar på fagutdanning, og fagutdanning er faktisk veldig viktig for mange bedrifter i Noreg. Det er veldig få som har snakka om dette før i dag.

Så er det også sånn at det ikkje er nok å få forsking og kompetanse i utdannings- og forskingsinstitusjonane. Det må vi ha ut til næringslivet. Difor er det utruleg viktig å byggje nettverk mellom universitet, høgskular, vidaregåande skular og store og små bedrifter. innanfor det som blir kalla NCE, National Centre of Expertise og Arena-programmet. Det er jo program som opposisjonen, i alle fall i det førre statsbudsjettet, ville kutte i. Så eg er veldig spent på å sjå om dei også vil gjere det denne gongen. Det er jo nettopp den typen program som gjer at kompetansen kjem ut til dei som verkeleg treng det i næringslivet. Eg vil slutte med å seie at det er veldig mange som har snakka om indeksar for innovasjon og kreativitet her i dag. Det er frykteleg mange måtar å lese indeksar på, men faktum er at Noreg ligg blant dei ti beste på veldig mange av dei viktige indeksane. Jeg skal på mange måter fortsette der forrige taler slapp, men det er

innovasjonsevne, samfunnet vårt innovasjonsevne og konkurransekraft i fremtiden, og det er næringslivets konkurransekraft som skal trygge velferden i fremtiden. Norge kommer aldri i den situasjonen at vi kan konkurrere på pris, og det tror jeg også forrige taler var inne på. Statsråd Tora Aasland var påmeldt til dagens debatt, men hun forsvant fra talerlisten, uvisst av hvilken grunn, og kanskje er det litt symptomatisk for det som er regjeringens forskningssatsing for tiden. I motsetning til forrige taler mener jeg at det ikke er en myte at denne regjeringen ikke satser nok på forskning. Hva skulle Tora Aasland ha sagt i denne debatten? Skulle hun snakket om regjeringens kraftfulle satsing på fremtiden? Vi husker tidligere hvileskjær. Årets budsjett for 2011 inneholdt altså en realnedgang i forskningsbudsjettet – en realnedgang – og det er heller ingen myte. Da er det interessant å kikke på andre land. Rundt oss både i Europa og i verden satses det massivt og det skjer i en tid hvor de fleste land, bortsett fra Norge, nærmest er svimeslått rent økonomisk, og i Norge utnytter vi altså ikke denne muligheten vi har til å satse ambisiøst og massivt. I Storbritannia har de kuttet i de offentlige budsjettene. Jeg tror snittet ligger på ca. 20 pst., og det skaper masse rabalder og masse smerte. Ett budsjett ble det ikke kuttet i for i år, og det var forskningsbudsjettet. og det var forskningsbudsjettet. Det var den britiske finansministeren som ga begrunnelsen for hvorfor man ikke kuttet. Han sa: Våre utgifter til vitenskap og forskning er nøkkelen til vår fremtidige økonomiske suksess – nøkkelen til vår fremtidige økonomiske suksess. suksess. Sammenliknet med dette blir altså den norske regjeringens, Stoltenberg-regjeringens, satsing på forskning på fremtiden, på fremtidens kunnskap, merkelig tafatt. Sånn sett er det ikke sikkert at forskningsministeren kunne ha tilført denne debatten så veldig

Stadig flere barn vokser opp i fattige familier. Vi ser også at stadig flere unge lever av trygdeytelser. Senest i dag kunne vi høre at stadig flere innvandrere som er ferdige med introduksjonsprogrammet, står uten jobb. Regjeringen melder nå at det skal komme en melding om bedre integrering. Den meldingen vil ikke hjelpe noen ting hvis det ikke settes inn mye bedre tiltak for å integrere alle de fra andre kulturer som har kommet til landet, og som nå lever på ulike trygdeytelser. Veldig mange av de fattige barna lever nettopp i disse familiene. Den måten som regjeringen nå møter de fattige familiene på, er ved å øke matmomsen. Familier som er avhengige av bil, noe de fleste er, blir møtt med stadig mer bompengeutgifter, og stadig flere kommuner innfører eiendomsskatt, som rammer alle. Også de som leier, får økte boutgifter. Arbeid til alle er hovedmålet, sier regjeringen – alle skal med. Men det er en stor gruppe som står utenfor. Den lille lekkasjen som er kommet, er at regjeringen nå vil satse på unge som står utenfor arbeidslivet. Veldig mange av dem er unge med lettere psykiske lidelser. Det vil med andre ord si at en stor gruppe med andre typer funksjonshemninger ikke vil få den samme satsingen. Jeg ser fram til torsdag og for det er veldig mange som trenger mye bedre tiltak enn det regjeringen har kommet med til nå. HVPU-reformen er heller ikke fulgt opp, og det mangler minst 10 000 varig tilrettelagte arbeidsplasser for utviklingshemmede. Samhandlingsreformen står for døren, og kommunene er i liten grad forberedt på det som kommer. Jeg kan ikke forstå hvordan statsministeren skal kunne oppfylle sitt valgløfte fra valgkampen om sykehjemsplass til alle, så lenge det ikke kommer en storsatsing med øremerkede opptrappingsmidler til kommunene. Det er ikke varslet så langt, og det er skuffende. Det hjelper lite å stå og love noe i en valgkamp på vegne av staten, hvis ikke staten følger opp med de nødvendige pengene, for det mangler mye allerede i dag. Samhandlingsreformen kan få ganske tragiske følger hvis den ikke følges opp på en helt annen måte enn det regjeringen har tenkt å gjøre. Jeg håper at det kommer mer på

Ingenting kan vokse inn i himmelen. Uten oljepengene hadde Norge vært i en helt annen situasjon. Vi skal ikke slutte å tenke i nuet – det er viktig å handle her og nå – men uten en klar strategi for hvor vi skal, bærer det fort galt av sted. For Norge handler det om å bruke vår økonomiske handlefrihet til å skape langsiktig bærekraft og trygghet for både Dette oppnår vi gjennom investeringer i infrastruktur, med mange beine veier, gjennom kunnskap i skolen, med de beste lærerne, og gjennom forutsigbare og gode rammebetingelser for bedriftene i Norge. En strategi for bærekraftig vekst vil trygge velferden. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet framstår uten en klar samlet strategi, og en passende beskrivelse på dem er Seneca den eldres utsagn:

statsråder – om f.eks. klimapolitikk, sykehuspolitikk og oljeutvinning i nord. Slik er det når en ikke vet hvor en skal hen. Seneca den eldres utsagn «for den som ikke vet hvilken havn han søker, er ingen vind gunstig», er som skreddersydd for denne regjeringen. I Høyre vet vi hvor vi skal hen: Vi skal ruste Norge for framtiden ved å skape mer. En sunn og stabil for at alle har en jobb å gå til også i framtiden. Vi sikrer varig velferd gjennom å skape mer, ikke skatte mer. Vi sikrer varig velferd ved å belønne dem som skaper arbeidsplasser, ikke straffe dem. Kunnskap i skolen, forskning, utvikling og innovasjon er en forutsetning for at hver enkelt av oss har de nødvendige forutsetningene for å komme oss i arbeid og evne til å stå på egne ben. Dette gir igjen Norge konkurransekraft. Høyres investeringer i infrastruktur, kunnskap i skolen og gode betingelser for innovasjon sikrer varig velferd, og la det være klinkende klart at vi i Høyre bruker den gunstigste vinden for å bringe Norge dit! Regjeringen uttaler i trontalen at omsorgstjenestene skal utbygges, og

Det er riktig. Men det er ingen i regjeringen som sier hvor mye de har igjen til nye tiltak når lønns- og prisvekst har tatt sitt og nye lovpålagte krav er fulgt opp, slik som f.eks. full barnehagedekning og flere skoletimer i grunnskolen. Da har ikke kommunene mye igjen til andre tiltak. De har ikke midler til mange nye stillinger, slik Samhandlingsreformen vil kreve. Det er nå tre måneder igjen til Samhandlingsreformen begynner, og mange kommuner er i gang med planlegging og utbygging. 1. januar 2012 skal det være på plass. Da skal vi kunne ta imot en tidlig utskrevet pasient. Det skal være fagfolk som tar imot, og dette koster. Vi kommer helt sikkert til å få det som er lovet, i torsdagens statsbudsjett. Men er det nok? Neppe. Statsministeren har alt lovet oss mange nei. Jeg vet at mange kommuner nå sterkt vurderer å innføre eiendomsskatt, eller øke den, for å greie å gjennomføre reformen. Det er også kommet mange klare signaler fra fylkesmenn om at tildeling av skjønnsmidler er avhengig av at kommunene har tatt i bruk hele sitt potensial når det gjelder inntekter. Eiendomsskatten er en skatt uten sosial profil. Det er synd at ikke kommunene er gitt muligheter til å ta noe hensyn til betalers betalingsevne. Det er ikke lett å innføre en skatt i kommunen som en vet rammer dem med minst betalingsevne hardt. Når lokale politikere er gitt anledning til å skrive ut eiendomsskatt,

burde vi ha en lov som tar hensyn til dem med minst betalingsevne. En mer rettferdig skatt ville lette kommunene når det gjelder å innføre ordningen. Det vil også oppfattes som mer rettferdig av kommunenes innbyggere. Derfor ønsker Kristelig Folkeparti – og det håper jeg også at regjeringen gjør – å vurdere å endre eiendomsskatteloven § 28, slik at kommunene får muligheter til å innføre regler for lemping av eiendomsskatten ut fra

statistikkar og offentlege utgreiingar. Familieomsorg er nærmast fråverande som tema i det politiske ordskiftet. Helsetilsynet fann i si landsomfattande undersøking i 2010 at norske kommunar gjennomgåande «ikke kartla og vurderte pårørendes omsorgsbyrde, situasjon og behov for avlastning», og at saksbehandlinga ved søknader om avlastning var mangelfull. Familieomsorg er blitt kalla den usynlege omsorga. Men ho skjer i stort omfang meir på tross av systemet enn på grunn av systemet. Rapporten Innovasjon i omsorg blei overlevert regjeringa i juni. Den skildrar eit godt samfunn som eit samfunn prega av solidaritet mellom generasjonar, ikkje berre av pengeoverføringar gjennom skattar og avgifter – solidaritet ved at yngre stiller opp for dei eldre med si tid og sin arbeidsinnsats. Rapporten manar til eit oppgjer med dei seinare åras tendensar til å gjera helse- og omsorgstenester til noko folk berre skal halda seg til som forbrukarar og konsumentar. Einsidig forbrukar- og konsumentfokus kan bidra til å stimulera misnøye og vil kunna undergrava tilliten til fellesskapet sine ordningar. Vi risikerer òg å mista vår eigen handlingskompetanse i forhold til det å kunna ta vare på oss sjølve og andre, når ein overlet omsorg meir og meir til profesjonelle. Senterpartiet vil vera ein pådrivar for å utvikla ein meir tydeleg nasjonal politikk for dei mange pårørande med tunge omsorgsoppgåver. I dag får mange ikkje nok avlastning. Studiar av pårørande til menneske med demens viser at opptil 50 pst. sjølv utviklar helseproblem. Mange får det òg vanskeleg økonomisk. Vi bør vurdera å utvida retten til permisjon for pleie og omsorg for nære pårørande og å Det må gjerast lettare å kombinera arbeid og omsorg, og vi må sikra meir omfattande og fleksible avlastningsordningar. I ei tid då vi står framfor eit stort og aukande personellbehov i helsesektoren, burde denne forsamlinga vera minst like oppteken av ordningar som sikrar rekrutteringa til den frivillige og familiebaserte omsorga, som ordningar som sikrar

Det var replikkordskiftet etter statsministerens tale som gjorde at jeg tegnet meg til denne debatten. Replikkordskiftet fokuserte på mulighetene for å skape de arbeidsplassene som vi skal leve av i framtiden, og her har også jeg noen refleksjoner. Dette handler om mye mer enn formuesskatt. Representanten Svein Flåtten hadde for øvrig i sitt innlegg en nærmest endeløs elendighetsbeskrivelse om mye mer enn formuesskatt. Representanten Svein Flåtten hadde for øvrig i sitt innlegg en nærmest endeløs elendighetsbeskrivelse av norsk næringslivs rammebetingelser, så jeg tillater meg å supplere Flåttens oppramsing med å vise til at Verdensbanken rangerer Norge som ett av verdens beste land å drive næringsvirksomhet i. Jeg synes ikke det er så dårlig. Da blir bildet litt mer nyansert. Det er etter mitt syn ingen grunn til å Jeg er stolt over den handlekraft denne regjeringen har hatt for å imøtekomme næringslivets behov for forenkling og avbyråkratisering: fritak for revisjonsplikt for småbedrifter og reduserte krav til aksjekapital ved oppstart av bedrift, for å nevne to viktige tiltak. Trontalen framhever, blant mye annet, to politikkområder som jeg vil knytte noen kommentarer til. Det skal legges fram en ny strategi, eller skal vi si en revidert strategi, for reiselivsnæringa. Det tror jeg er bra. Det brukes mye ressurser til markedsføring av Norge. Jeg tror det er grunn til å gå gjennom denne ressursbruken og se til at de midlene det offentlige bidrar med, har en tilfredsstillende effekt og fremmer en positiv utvikling i næringa. Så er det meget gledelig at trontalen er klar på at regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi for mineralnæringa. Stortinget vedtok ny minerallov våren 2009. Det er litt rart å tenke på at bergverksnæringa, som var grunnlaget for og motor i den industrielle utviklingen i Norge fra midten av 1800-tallet, aldri har blitt tilgodesett med et nasjonalt politikkdokument. Nå kommer det. Nødvendigheten av mineralnæringa og nødvendigheten av en nasjonal politikk er åpenbar. Kina og EU ser nå mot Skandinavia for å sikre seg ettertraktede mineralske ressurser. Det er viktig å utvikle en politikk på dette området som gjør at ressursene blir kartlagt og utviklet på en bærekraftig måte. Hele landet bør få en bedre kartleggingsstatus. Vi er i gang nå i Nord-Norge. Etter mitt syn bør vi lære av olje- og gasspolitikken. Koblingen mellom incentiver for å stimulere til leting og prospektering og beskatning for å sikre at en forsvarlig andel av verdiskapingen kommer landet til gode, vil, etter mitt syn, være et nøkkelpunkt i en nasjonal strategi for denne næringa.

Mange av dem dette gjelder, har full arbeidsevne dersom arbeidsplass eller arbeidsoppgaver kan tilrettelegges for dem. Et godt eksempel er det vi har sett hos Telenor, ved Open Mind-prosjektet. Til tross for at inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært ett av tre hovedmål i IA-avtalen – en avtale vi nå har hatt i åtte år – har fremdeles lite skjedd for å få flere arbeidsføre og arbeidslystne mennesker ut i jobb. Høyres mål er et samfunn med muligheter for alle, hvor alle skal gis anledning til å være mest mulig selvhjulpne, kunne delta i arbeidslivet og ta del i velstandsutviklingen. Derfor har Høyre utarbeidet en sysselsettingsstrategi for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hvor vi viser til flere gode tiltak som kan bidra til at de med nedsatt funksjonsevne kan fungere i arbeidslivet. Vi må bare innrømme at vi i vårt velferdssamfunn ikke har gjort nok for å sysselsette de som trenger litt ekstra tilrettelegging i en arbeidssituasjon. Den siste tiden har jeg møtt flere som forteller om sine opplevelser med hjelpeapparatet. De forteller at de sliter i møte med Nav, og de forteller om tidkrevende søkeprosesser når det gjelder ulike tilretteleggingsordninger, som ofte i tillegg er lite kjent hos fastleger og hos arbeidsgivere. Noen ganger er de faktisk også lite kjent i Nav. Jeg må si det er rett og slett trist å høre historier om unge mennesker med nedsatt funksjonsevne som får tilbud om uføretrygd i 18-årspresang fra Nav. Det burde jo heller være slik at når en ung person med nedsatt funksjonsevne tar kontakt med Nav for bistand og hjelp i forhold til arbeidslivet, så bør bistanden fra Nav være kreativ, målrettet, treffsikker, rask og effektiv. Jeg opplever at regjeringspartiene stadig vekk påpeker hvor fornøyd de er med den høye sysselsettingen her i landet og den tilsynelatende lave arbeidsledigheten. Men når vi vet at nesten 80 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne venter på bistand og tilrettelegging for å komme ut i jobb, kan vi ikke være fornøyd med tingenes tilstand. Vi må ta i bruk alle gode krefter. Norge har rett og slett ikke råd til å la så mange mennesker stå ufrivillig utenfor arbeidslivet. Høyre etterlyser en mer offensiv politikk fra regjeringens side når det gjelder å tilrettelegge for flere med nedsatt Vi forventer at den varslede handlingsplanen for funksjonshemmede i arbeidslivet tar tak i denne problemstilling på en ordentlig måte, og at den følges opp med tilstrekkelige ressurser. Vi er nok litt bekymret for dette med det varslede stramme budsjettet som skal fremlegges på torsdag. Det å få folk ut i arbeid er en viktig investering i fremtiden.

For Senterpartiet var det en tydelig forutsetning for stat–kirke-forliket at oppslutningen i kirkevalget måtte bli betydelig større, og at vi skulle få det man kan kalle en demokratisk kirke, før en eventuell endring i forholdet mellom stat og kirke skulle skje. Valgresultatet fra 2009 og 2011 viser at dette ikke har skjedd. Oppslutningen ved bispedømmerådsvalget i 2011 var på 10,59 pst. Oppslutningen totalt, hvis vi regner både menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget, var på 13,47 pst. av

Jeg er i hvert fall veldig glad for at kirkeminister Rigmor Aasrud har gitt tydelig signal om at man skal ta det lave valgresultatet på alvor. For hvis man skal ta kirkeforliket på alvor, kan man ikke skille spørsmålet om en lav valgdeltagelse og den videre prosessen. Valgdeltagelsen og demokratiet i Kirken er jo nettopp forutsetningen for en eventuell endring i dagens forhold kirke. Utnevning av biskoper i kirkelig statsråd berører selve kjernen i statskirkeordningen, og jeg mener at den ordningen er avgjørende for å sikre et mangfold i bispekollegiet, som videre avspeiler den mangfoldige folkekirken. For å sikre en åpen og levende folkekirke er det viktig at regjeringen ser alvoret i den lave valgdeltagelsen, og at dette vil få konsekvenser for den videre prosessen.

Nå er det viktig at disse endringene blir fulgt opp i tråd med det som er kommunisert fra Stortinget. De som lever med dette på kroppen, må slippe å ta opp kampen med byråkratiet om hvordan Stortingets forlik skal forstås. I trontalen var i realiteten kunnskapspolitikken fraværende. Samtidig sitter det nå mange nyvalgte politikere landet over som er

Svarene har vi gitt mange ganger, men det er kanskje slik at ikke alle vil høre etter. Mer kunnskap i skolen er ett av de svarene våre representanter har gitt for å møte de utfordringene landet vil møte i årene som kommer. Vi har ikke bare gitt det svaret i debatten i dag, men gjennom svært mange år. Skal Norge lykkes som nasjon, skal næringslivet øke sin konkurransekraft, eller skal den enkelte som vokser opp, få lov til å realisere seg selv og sine planer, er det ingen vei utenom å satse mer på skolen. En god skolepolitikk kan ikke meisles ut i sin helhet sentralt. En god skole skapes der elevene bor, og da må den i stor grad skapes av våre lokale folkevalgte – hvis stortingsflertallet gir dem den muligheten. Det gjør de ikke i dag. Kommunalministeren var tidligere i dag innom det lokale selvstyret, og hun var overraskende fornøyd med tilstanden. Det Senterpartiet jeg kjenner, snakker om lokaldemokratiet, men den regjeringen statsråden er medlem av, leverer det motsatte på område etter område. Kunnskapsdepartementet planlegger å sende ut på høring et forslag om en statlig bemanningsnorm for lærerne. Det er det stikk motsatte av lokalt selvstyre. I dag mangler vi lærere, og det er svært tvilsomt om en slik norm vil gi flere lærere, men det vil garantert føre til flere byråkrater som skal skrive og innvilge søknader om dispensasjoner. Men den viktigste grunnen til å være skeptisk til dette forslaget er at mange kommuner har behov for helt andre prioriteringer for å gi sine elever en bedre opplæring enn i dag. Det blir på en måte som den statlige skolefruktordningen, men nå med lærere istedenfor epler i Mye er bra i norsk skole i dag, men vi har også mange utfordringer. Den største utfordringen i veldig mange kommuner er lærerkompetanse. Derfor må kommunene få lov til å prioritere dette. I andre kommuner sliter de med å finansiere tidsriktige læremidler eller moderne IKT-utstyr, og da må de få lov til å prioritere dette. Noen steder mangler de lærere, men de kommer altså ikke servert på et fat, selv om det kommer en bemanningsnorm fra staten. Dersom regjeringen mener alvor når den snakker om lokaldemokrati, og at de satser på skolen, må de også vise dette i praksis og gi de lokale folkevalgte muligheten til å bedrive en skolepolitikk til det beste for elevene uten at regjeringen skal ha en fot på bremsen og begge hendene på rattet. Dagens trontaledebatt har vist en rørende enighet fra høyresiden om hvor viktig det er

Denne gangen var det Flåthens utspill om at han ønsker en gjennomgang av formuesskatten, som tydelig hadde begeistret høyresidens representanter. Så vidt jeg har registrert, mener Roar Flåthen fortsatt at skatt er en viktig del av finansieringen av vår felles velferd. Han var også klar på at han ikke ønsker endringer som svekker statens inntekter. En slik gjennomgang skal heller ikke føre til at de rikeste i samfunnet får en mindre skattebyrde. Flåthen uttaler at det som kjennetegner land som ikke har formuesskatt, er at de ofte i stedet har langt høyere eiendomsskatt. Kan man dermed anta at Høyre og Fremskrittspartiet vil at statsministeren skal lytte til disse delene av Flåthens utspill også? SV-leder Kristin Halvorsen forsøkte for noen uker siden å reise en skattedebatt. Dette utspillet fikk raskt mye motbør. Hvorfor det, mon tro? Skattepolitikk er også fordelingspolitikk. I store deler av Europa og ellers i verden er det finanskrise. Folk flest opplever svært tøffe innskrenkninger i sin velferd. I USA har president Obama varslet at han vil skjerpe skattene for de rikeste, for på den måten å bedre velferden. I Norge er det så langt opplest og vedtatt at skattene skal holdes på 2004-nivå. Det å kalle formuesskatten særnorsk er en sannhet med visse modifikasjoner. I så fall er det også særnorsk at eiendomsskatten i Norge ligger langt under gjennomsnittet i Europa, og lavere enn i våre naboland. Høyre har i flere innlegg i dag sagt at de vil fjerne det de kaller den særnorske formuesskatten. Da blir spørsmålet: Vil Høyre i så fall gå inn for å øke den særnorsk lave eiendomsskatten også? I dagens møte fremmet Fremskrittspartiet et forslag som Siv Jensen uttalte var Da tillater jeg meg å spørre om det dermed er slik at Fremskrittspartiet støtter alle elementene i Flåthens utspill. Det ville være av stor interesse om Høyre og Fremskrittspartiet kunne avklare dette overfor Stortinget. Det er mange i Norge som blir veldig rike ved å drive næringsvirksomhet, så det kan ikke være så aller verst. Det er en kjensgjerning at den formuesskatten vi har i dag, gir en god sosial utjevnings- og fordelingsprofil. Det at ca. 2,5 pst. av landets aller rikeste betaler mer enn halvparten av denne, tyder på at den treffer ganske bra. SV har ingenting imot en diskusjon om skatt, men da må Høyre og Fremskrittspartiet slutte å plukke ut bare de bitene som passer inn i deres eget ideologiske puslespill. Alle vil ha velferd, men velferden skal betales også.

fått et innblikk i det skotske opplæringssystemet slik det fungerer både i teori og praksis. Vi var særlig på leting etter poenger til arbeidet med stortingsmeldinga som vi holder på med når det gjelder ungdomsskolen. Det er også en stortingsmelding som vi skal debattere og etter hvert vedta på etterjulsvinteren her i denne salen. Gleden over å få bekreftet egne tanker og ideer er vanskelig å overvurdere. Og ja, jeg var veldig glad under hele oppholdet i

men en skole må være noe langt mer i et moderne samfunn. Det understreket alle vi møtte. Det neste som slo meg, og som blir en konsekvens at dette helhetlige verdigrunnlaget som de la til grunn, var at de var veldig opptatt av at elevene skulle lære sammen, og de skulle lære å leve sammen mens de gikk på skolen. Samtidig var det veldig viktig både å se og stille positive forventninger til enkelteleven i et samarbeid med foreldrene. Det var mye prat om at skolen skulle være et samfunn. Det skulle være et fellesskap. Og det som jeg som SV-er synes var særlig interessant, var at de stadig vekk understreket hvor grunnleggende viktig det var at det var glede, humor og varme i dette skolesamfunnet. Det var avgjørende for læring. Her Det var avgjørende for læring. Her hjemme har «koseskole» nærmest vært brukt som et latterliggjørende begrep fra høyrepolitikere. I Edinburgh var kos faktisk et nødvendig element i en moderne skole. Et siste poeng som særlig imponerte meg, var at de hadde obligatorisk innslag av samfunnsarbeid, at skulle ut og delta i frivillig arbeid. Det kunne være blant ungdom. Det kunne være blant eldre, og det kunne være i forbindelse med rusforebyggende arbeid, osv. Så er det vel unødvendig å si at det sjølsagt var matservering på en slik skole.

og ikke minst staten kan glede seg over nye milliardinntekter. Det har blitt sådd tvil om hvorvidt dette er en framtidsrettet bransje. Regjeringen har brukt unødvendig mange år på å komme med en petroleumsmelding. Nye leteområder har sittet – og sitter – langt konfliktfylt. Måten klimaspørsmålet har blitt diskutert på, har vært med på å skade bransjens omdømme. En har gjerne sittet igjen med et inntrykk av at dette er en bransje som går inn i solnedgangen. Det siste funn viser at Norge i mange år framover kommer til å være en betydelig oljenasjon, med alle de fordeler det vil gi oss. Hva er det som har gjort dette mulig? Er det dagens tilrettelegging for petroleumsnæringen som har vært årsaken? Nei. Det er forskningsprogrammer,

kan glede oss over nye funn. Det er veldig viktig at Norge står fram som en nasjon som prioriterer denne viktige bransjen. Da må regjeringen være med på å bygge opp bransjens omdømme som gjør at våre ungdommer velger å ta utdannelse innenfor petroleumsindustrien. Universitetet i Stavanger har i dag en betydelig overvekt av utenlandske studenter på petroleumsrelaterte studier. At utlendinger prioriterer en utdannelse i Norge, bekymrer meg ikke. Men det er fraværet av norske studenter på disse studiene som bekymrer meg. Jeg håper derfor at vi vil se et statsbudsjett der regjeringen satser på denne bransjen, satser på studier og satser på petroleumsrelatert

er om det gledelig økte ungdomsengasjementet vi har sett i de siste ukene, vil vare. Senterpartiet mener vi kan få til det om vi faktisk gir ungdom makt og muligheter. Vi må utvikle og utvide ungdomsdemokratiet. Det måtte en statsråd fra Senterpartiet til før prøveprosjektet med stemmerett for 16-åringer og 17-åringer ble gjennomført. Resultatene viser at de er omtrent like flinke til å gå og stemme som resten av befolkningen. Det skal bli spennende å følge evalueringen av prosjektet, og debatten om å senke stemmerettsalderen vil komme for fullt. Jeg er tilbøyelig til å være for, men samtidig er det viktig at debatten om ungdomsengasjement handler om mer enn to årskull og Senterpartiet vil gi ungdom makt og muligheter hver dag. Norge er etter valget fullt av unge, lokale folkevalgte som sikrer et mer representativt lokaldemokrati. Jeg prater av erfaring. Kommune-Norge har godt av flere utålmodige unge med visjoner for sine lokalsamfunn. Mange kommuner smykker seg med et ungdomsråd. Samtidig vet vi at langt fra alle fungerer godt. Jeg er derfor glad for at kommunalministeren har utfordret kommunene så tydelig til å gi ungdomsrådene mer makt. Et varig ungdomsengasjement forutsetter en fortsatt satsing på frivilligheten. Vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder forenkling og det å gi frivilligheten rom til å være en medspiller på viktige samfunnsområder. For å si det slik: Regjeringa har fortsatt igjen å sette stoler på rekke og rad, slik at frivilligheten ikke faller imellom. Neste milepæl for det frivillige Norge blir ungdoms-OL i 2016 – en sak som ble overlevert Stortinget tidligere i dag. I tillegg til idrett står kultur og utdanning sentralt i arrangementet, vi har alle muligheter til å involvere bredt. Ungdoms-OL må bli til i samspill mellom offentlige, private og frivillige aktører på lokalt, regionalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt nivå. Vi skal ha høye ambisjoner, og vi skal innfri og vise verden «the best Youth Olympic

Rett etter denne hendinga blei eg kontakta av ein far som mista sin kjære den 22. juli. Sonen døde plutseleg i ei ulykke, men ikkje på Utøya eller i regjeringskvartalet. Med dette ønskjer eg å setja fokus på at mange mister nokon ein er glad i under andre omstende. Desse har òg krav på hjelp i ei tung tid. Han sat der i einsemd og visste ikkje heilt kva han skulle gjera – alt var berre kaos. Då sa han: Kan henda det hadde vore betre om sonen min også hadde omkome ute på Utøya, for då hadde hjelpeinstansane automatisk blitt kopla inn, mens eg no må leita for å finna ut av hjelpa sjølv. Dette var tøffe ord å høyra, men det var også ord til ettertanke, at vi aldri må gløyma at alle har dei same rettane til hjelp og støtte, og at vi aldri må gå tomme for medmenneskelegdom i tunge stunder. Arbeid til alle – seier statsministeren – er viktig. viktig. Noko av det viktigaste er at ungdommen vår må få den beste starten til å koma gjennom utdanning og vidare inn i arbeidslivet. Slik er det ikkje for alle, nokon fell frå undervegs. Fråfallet i vidaregåande er ei stor utfordring. Vi veit at mange prosjekt når det gjeld dette, er inne på gode spor og kan visa til gode resultat. Men vi må heile tida ha fokus på dette viktige området. Det at vi også får fleire unge uføre, er også skremmande. Ein treng all den arbeidskrafta ein kan få, og ein kan ikkje akseptera at unge blir uføre utan at dei har fått prøva seg på ulike område – og kanskje unngått å bli ufør. Det er dette det gjeld. Vi gløymer at det skal mykje til for ikkje i det heile å finna noka restarbeidsevne hos eit menneske, om ein strevar med det fysiske eller det psykiske, eller kanskje begge

er dessverre sånn at det er blitt fleire unge uføre, og slik skal det ikkje vera. Det er øydsling med ressursar, noko arbeidsministeren òg har sagt. Det er kanskje på tide å få ei eiga avdeling i Nav som berre skal arbeida med yngre menneske. Det kan kanskje vera løysinga for å få dei unge med i eit framtidig arbeidsliv. Vi har ikkje lov til å lata det

Kort sagt toppar me dei gode statistikkane, og me er på botn når det gjeld dei dårlege statistikkane. Vel, eg skal ikkje gjera krav på å vera tankelesar, men eg kan bekrefta alle dei gode statistikkane. Med bakgrunn i nemnde statistikkar kan eg òg bekrefta at folk i Sogn og Fjordane har sterke forventningar til styringa av landet. Når eg møter folk

Det er ikkje slik som høgresida seier, at dagens skattenivå er den største trusselen mot våre arbeidsplassar, men ein velmeinande og ukontrollert bruk av oljeinntektene er trusselen når det er viktig å vera nøktern. Norsk økonomi er inne i ein konkurranseoppgang med nedgang i arbeidsløysa. Då er det dårleg politikk å gi økonomisk gass. Under finanskrisa for nokre år sidan var situasjonen ein helt annan. Då dempa ein ekspansiv finanspolitikk det økonomiske tilbakeslaget, men førde samtidig bruken av oljeinntektene opp på eit høgt nivå, over den vedtekne politikken om 4 pst. av avkastninga. Det var rett politikk den gongen. No er situasjonen stikk motsett.

både i motgang og i medgang, som er Framstegspartiet sin medisin. Representanten Bente Thorsen utfordret meg i sitt innlegg til å oppklare hva jeg faktisk mente om kirkeforliket.

framgang fra forrige valg. Med den massive oppslutningen vi så om Den norske kirke etter de tragiske hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya, hadde jeg faktisk trodd at flere ville ta del i kirkedemokratiet, selv om jeg også er klar over at de de tallene vi nå opererer med, er 300 pst. høyere enn da vi gjennomførte valgene på gamlemåten, og at vi fortsatt har valgtall i Norge som ligger over det den svenske modellen har, selv om kirken der har egen beskatningsrett. Men det jeg er mest skuffet over når det gjelder kirkevalget, er faktisk at 30 000 stemmer ble forkastet. Det var altså 30 000 personer som brukte stemmeretten sin, men den stemmen telte ikke med. Når vi da vet at avtalen i Stortinget forutsetter at vi skal gjennomføre en evaluering av kirkevalget, og at valgordningen er en sentral del av det, synes jeg det er rart at noen allerede nå er skråsikre på at alt er i orden. Jeg vil iallfall vente til evalueringsrapporten foreligger, sånn at vi kan få vurdert den før vi trekker den endelige konklusjonen. Det er synd å måtte bruke taletid til å rette ein feil så

Og vel å merke har vi begge dei toppåra lege 27 pst. i realverdi over det som den borgarlege regjeringa nokon gong klarte å få til i sin regjeringsperiode. Det er greitt nok med morosam retorikk, men fakta må liggje i botnen. Jeg skal gjerne oppklare noen fakta, i forlengelsen av forrige talers innlegg. Det er

ambisjon og en manglende satsing fra denne regjeringen. Det er slik at investering i forskning – hvis noen skulle være i tvil om det – er en investering i fremtidig verdiskaping og innovasjon, og de to tingene henger sammen. Det er næringslivets konkurransekraft i fremtiden som skal trygge velferden i fremtiden. Så dette er faktisk ganske viktig. Derfor blir det veldig trist å se at Norges konkurransekraft og at Norges konkurransekraft og innovasjonsevne har vært jevnt synkende på de internasjonale målingene og indikatorene gjennom hele Stoltenberg-regjeringens regjeringstid. Men jeg kan selvfølgelig si noe positivt om forskning i dag. Det står faktisk én setning i trontalen om forskning.

I forfjor sto det heller absolutt ingenting. Og for øvrig har disse trontalene vært kjemisk fri for viktige ord og begreper som innovasjon, forskning og utvikling, nyskaping osv., osv. Dessverre tror jeg det sier noe om hva som har prioritet hos den nåværende regjeringen. Hvis det er noe i ryktet som verserer i dag, og som visstnok NRK skal bekrefte i morgen tidlig, om at regjeringen i statsbudsjettet som kommer på torsdag, foreslår å avvikle hele Forskningsfondet, er det dessverre et nytt eksempel på en manglende satsing. Det er et uheldig signal å sende til en utrolig viktig sektor for fremtidens Norge. Det er det motsatte av det som skjer rundt omkring oss i verden, i EU og i og i mange andre land. Det er en utrolig dårlig måte å varsle på at man fjerner forutsigbarheten som forskningsbudsjettet og forskningssektoren har hatt gjennom disse årene hvor Forskningsfondet har blitt bygget opp, et arbeid som startet under Bondevik II-regjeringen. Det har vært en lang dag med mange interessante innlegg. En trontale er

uansett, det er visst ikke passende hva man enn skulle mene. Jeg har lyst til å komme med en liten anbefaling. Innledningsvis sa jeg noen ord om hva som var viktig etter 22. juli når det gjaldt å ta vare på enigheten. Jeg tror det er viktig å gjøre politikk relevant, å gjøre politikk viktig nok for folk, faktisk ikke å mistenke andres motiver – til enhver tid forsøke å finne ut at det man snakker om, ikke er det man mener, når man mener noe helt annet. Det gagner ikke den politiske aktiviteten, det gagner ikke respekten for oss som politikere, det er heller ikke politiske skillelinjer, som noen har vært opptatt av å si. Nei, det er forsøk på å gjøre politikken mindre enn det den er. Politikk er faktisk ganske viktig, demokrati er viktig, og det trodde jeg vi slo fast etter 22. juli at vi også skulle stå for. Jeg skal ikke kommentere alle de innleggene der det er sagt mye rart om Høyres politikk. Dem kommer vi sikkert til å få diskutert veldig mange ganger senere. Men jeg vil gi en stemmeforklaring. Høyre har det prinsipielle synspunkt at det er bedre at forslag saksbehandles i Stortinget

noen fordi vi ikke er enige i dem. Noen av forslagene er vi enig i, men på våre premisser, og vi synes derfor ikke at det er riktig å stemme for dem uavhengig av premissene. Vi skulle heller ønske at man hadde vært litt flinkere med hensyn til å ta dem opp til full saksbehandling. Så til forslag nr. 5: Det er en stund til vi får oljeinntektene fra Avaldsnes, og jeg en stund til vi får oljeinntektene fra Avaldsnes, og jeg er helt sikker på at de politikerne som sitter i Stortinget på 2020-tallet, skal få gleden av å vurdere hvordan inntektene best kan brukes til infrastruktur da også. Så mye tillit har jeg til et Høyre-ledet storting i 2020 at det går fint! Vi har tenkt å stemme for forslag nr. 7, fra Fremskrittspartiet, og for forslagene nr. 9 og 11, fra Kristelig Folkeparti. Når vi ikke stemmer for forslag Når vi ikke stemmer for forslag nr. 10, er det ikke fordi vi er imot en handlingsplan mot fattigdom, men vi synes det er en type sak som burde vært foreslått i Stortinget på en måte hvor det kunne legges premisser knyttet til dette. Det samme gjelder også forslag nr. 2, fra Venstre, om at regjeringen snarest mulig skal komme tilbake til Stortinget med sak om innfasing av grunnskolelærerutdanning. Vi er for det, men vi synes at det er en sak som kunne behandles på en bedre måte enn ved bare å ta det over bordet her. Så med denne stemmeforklaringen vil jeg bare si at dette er de forslagene vi stemmer for. – Jeg kan enten nå tegne meg en gang til, eller så kan jeg også gi en stemmeforklaring til det forslaget som går på 22. juli. jeg også gi en stemmeforklaring til det forslaget som går på 22. juli. Jeg har brukt opp taletiden. Presidenten tror da at representanten skal få ordet en gang til, for det kan være ting i innleggene som fremdeles gjenstår, som kan være verdt å kommentere. Presidenten oppfattet det da slik at Høyre sa fra at de ville støtte forslagene nr. 7, 9 og 11. Er det riktig oppfattet? – Det er

fire replikker på Stortingets opposisjonsleder for å få henne til å klargjøre hva som nå er strategien i forhold til regjeringsdeltakelse, og for å få Fremskrittspartiet til å klargjøre hvem som er deres statsministerkandidat. At vi måtte bruke fire stykker, fire runder, for å få det svaret, viser oss at vi har et parti som delvis er ute av balanse, og det gleder oss i regjeringspartiene. Jeg synes jo det var en litt underlig opplevelse også i forhold til de andre sterke kvinnene på opposisjonssiden at vi måtte bruke flere replikker for å få klargjort Høyres EU-standpunkt og eurostandpunkt. Men det sier også litt om Høyre om dagen, for alle standpunkt som er litt kontroversielle, vil de ikke snakke så høyt om, for de kan støte noen. Nå skal en bare være i sørge for at en ikke sier noen ting som støter noen, for da skal en vinne valget om to år. Jeg tror den strategien kommer til å mislykkes, for politikk handler om å ta standpunkt, handler om å stille og tørre å stå opp for de standpunktene man tar. Men det tredje som gleder meg stort, er det fellesskap man har sett mellom SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i mange viktige saker. Av saker som er debattert i dag, er det alkoholpolitikk, bistandspolitikk, vi ser det i distriktspolitikken, vi ser det i fordelingspolitikken. Det er et klart verdifellesskap som går midt gjennom Stortinget, men det går også tvers gjennom hos opposisjonspartiene. Så for oss i de tre regjeringspartiene har det vært en god dag. Det har vært en god start på et nytt arbeidsår, og det gjør meg til optimist før valget i 2013 når man må bruke så mange replikker for å få klarlagt de mest elementære ting hos de største opposisjonspartiene.

veldig liten evne til selvransakelse, veldig liten evne til å ta inn over seg at kanskje ikke alt er som det bør være, veldig liten evne til å lytte til signaler som kommer både fra opposisjonen og for så vidt fra folk som lever der ute i den virkelige verden. Men selvskryt skal man lytte til, det kommer fra hjertet, og så tror jeg jeg skal la kommentarene om denne debatten bli med det. Jeg skal gi en stemmeforklaring. Fremskrittspartiet vil støtte forslag fra Trine Skei Grande og Venstre. Vi kommer til å støtte alle forslagene til Kristelig Folkeparti, altså forslagene nr. 9, 10 og 11. Når det gjelder forslag nr. 11, støtter vi det først og fremst fordi det er et utredningsforslag. Fremskrittspartiet mener at hele formuesskatten skal bort, men vi ser ingen grunn til å stemme mot et utredningsforslag, og derfor gir vi vår tilslutning til de

side forsøkt å få fram i dag. Det vil vi fortsatt legge vekt på. Hvis vi skal ta et felles ansvar for å øke valgdeltakelsen, er det et poeng at vi viser velgerne hva de har å velge mellom når de skal gå til stemmeurnene neste gang. Så skal også jeg gi en stemmeforklaring. Det gjelder forslag nr. 9, fra Kristelig Folkeparti, som handler om de ideelle aktørene, som vi har diskutert mange ganger i salen her før, og sikkert vil komme tilbake til. Vi kommer til å stemme imot forslaget fra Kristelig Folkeparti, men vi er for intensjonen i forslaget. Årsaken til at vi stemmer nei, er at vi hadde ønsket å ta litt mer forbehold i forhold til alle aktører som yter helse- men vi er for intensjonen i forslaget. Årsaken til at vi stemmer nei, er at vi hadde ønsket å ta litt mer forbehold i forhold til alle aktører som yter helse- og sosialtjenester. Som statsråd Aasrud har redegjort for tidligere i kveld, tar altså regjeringen sikte på å lage en samarbeidsavtale med HSH og Frivillighet Norge i 2012 om hvordan Man vil oppfordre kommunene til å gjøre det samme på de områdene som kommunene har ansvaret for. Som kjent er det nå inngått løpende avtaler på rusområdet i Helse Sør-Øst, og man vil fortløpende vurdere den type avtaler når nye avtaler skal inngås også på andre områder. Så er det også mange andre ting man vil gjøre og vurdere underveis. Det får vi komme tilbake til. Men jeg ville bare være veldig tydelig på at vi deler Kristelig Folkepartis intensjon. Også jeg vil takke for en lang og tidvis god debatt. Så

at det skal bli en dyd å si nei fra regjeringens side. Dermed lå det vel i kortene at det ble et nei også til et forslag man, som Helga Pedersen sa, i realiteten var for. Så var det Trygve Slagsvold Vedum, som var glad for verdifellesskapet mellom de rød-grønne og Kristelig Folkeparti. Jeg skal kvittere på følgende måte: Vi har med interesse merket oss den store interesse det har vært for Kristelig Folkeparti i denne lange debatten. At så mange partier, både til høyre og til venstre, føler et verdifellesskap med Kristelig Folkeparti, synes vi er veldig positivt, og det lover godt for å få et gult stempel på politikken. Til slutt en stemmeforklaring: Vi stemmer for forslag nr. 1, fra Venstre,

det hadde vore interessant å diskutere formatet på denne debatten – på eit seinare tidspunkt. Eg skal opp tidleg med ungar i morgon, så eg lèt det vere med det no! Så ei kort stemmeforklaring. Både forslag nr. 9 og forslag nr. 10, frå Kristeleg Folkeparti, har mykje fornuftig ved seg. Vi kjem likevel til å stemme imot å leggje fram ein eigen plan for kampen mot fattigdom i Noreg no, for det første fordi eg trur at det nok er ei heilt anna breidd og ein kompleksitet i tiltaka for å motarbeide fattigdom enn berre å leggje fram ein plan. at det nok er ei heilt anna breidd og ein kompleksitet i tiltaka for å motarbeide fattigdom enn berre å leggje fram ein plan. Det same gjeld forslag nr. 9. Forslaget har mykje fornuftig ved seg, men eg trur òg der at dei verkemidla som skal til, er fleire og langt meir forskjellige enn berre «snarest å sikre at». Det er òg aktuelt for mange fleire område enn helse- og at». Det er òg aktuelt for mange fleire område enn helse- og sosialtenester. Men dette er begge tema vi gjerne ønskjer å jobbe vidare med, med Kristeleg Folkeparti og alle andre som vil bidra, og som regjeringa òg kjem til å ha merksemd om vidare. Det same gjeld for så vidt òg forslag nr. 1, frå Venstre, som er eit veldig viktig tema som vi kjem til å måtte kome tilbake til. Men vi kjem altså til å stemme imot alle forslaga frå opposisjonspartia.

av dem, nemlig den tidligere sosialistiske finansministeren fra begynnelsen av siste tiår, har nylig selv reflektert over dette og sagt at ett av problemene Hellas sto oppe i, var at han i for liten grad gjennomførte privatisering i sin periode for å bidra til bedre balanse mellom det offentlige og private. Han sitter kanskje nærmere det. Jeg tror ikke det nødvendigvis er så aktuelt med det som et bidrag til Norge, men litt respekt og litt ydmykhet for hva som er debatter i andre land – at det ikke er så lett å overføre det. Jeg har tidligere i dag tatt opp spørsmålet og diskusjonen rundt en uavhengig gjennomgang av situasjonen i PST. Situasjonen i PST har vært et tema som vi har hatt oppe til diskusjon og drøftinger flere ganger i løpet av det siste året, uavhengig av 22. juli. Men det er et faktum at Stortinget ikke har kunnskap om den reelle kapasiteten og derfor etter min mening heller ikke kan utøve sin kontrollmyndighet godt nok eller fatte budsjettvedtak på et godt nok grunnlag. Det har i dag også vært en diskusjon i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på bakgrunn av et initiativ fra Høyre. Vårt ønske om et uavhengig utvalg som gjennomgår denne situasjonen og informerer Men jeg mener det skal skje uavhengig av 22. juli-kommisjonens arbeid og den faktiske situasjonen rundt terroranslaget mot Norge på det tidspunktet. Vi skrev i anledning av at vi tok opp denne saken også et brev som justisministeren i dag har lovet å gi et formelt svar på tilbake til Høyre og til Stortinget, om et sånt utvalg og gjennomgangen av det, og fordi vi er i en positiv dialog rundt det, føler jeg ikke behov for å stemme for forslag nr. 4, ei heller oppfordre til at vi gjør endringer i teksten sånn at det stemmer mer overens med det Høyre har ment. Vi mener altså at det er behov for et uavhengig utvalg, men det skal ikke gå den samme veien som 22. juli-kommisjonen gjør, for den skal ha fullt innsyn i de beslutninger rundt 22. juli som også PST har gjort. Derfor forutsetter Derfor forutsetter jeg at det jeg opplevde at har vært justisministerens nærmere imøtekommelse av opposisjonens ønsker i denne saken, også er det som er ledende for regjeringspartienes holdning til dette. Derfor vil vi ikke stemme for det, men vil altså påpeke at dette forslaget kan komme opp igjen hvis vi ikke kommer til enighet i fellesskap i Stortinget. Nå er

Det betyr sikkert at resultatet av lokalvalget ikke har seget godt nok inn over forsamlinga, så dere må bare vente to år. Men jeg vil benytte anledninga til å komme med en stemmeforklaring. Venstre ønsker å stemme for forslag nr. 7, fra Fremskrittspartiet. Vi stemmer ikke for forslag nr. 4, og vi stiller oss bak Solbergs forklaring på hvorfor Høyre heller ikke gjør det,

ser

– Det

Da mener presidenten å ha registrert at vi er klare til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt 11 forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre forslagene nr. 3–8, fra Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 9–11, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Før vi starter å votere, vil presidenten gjøre oppmerksom på én ting: Det nye avstemningsanlegget vårt gjør det mulig å legge voteringene i Stortinget ut på nettet. Nå i høstsesjonen er vi inne i en prøveperiode, og fra nyttår skal det være tilgjengelig for alle som måtte ønske, å kontrollere hvordan hver enkelt representant har stemt. De voteringene vi gjennomfører i høst, vil inngå i det som blir offentlig tilgjengelig informasjon fra neste år. Det kan derfor